foreslår

Torkil ÅmlandFor Vestfold fylke: Heidi Ørnlo Torkil Åmland og Heidi Ørnlo er til stede og vil ta sete. Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten informere om at møtet fortsetter utover kl. 16 til dagens kart er ferdigbehandlet. Ingen har bedt om

vil presidenten foreslå at debatten begrenses til 1 time og 35 minutter, og at taletiden fordeles slik: Arbeiderpartiet 35 minutter, Fremskrittspartiet 20 minutter, Høyre 15 minutter, Sosialistisk Venstreparti 5 minutter, Senterpartiet 5 minutter, Kristelig Folkeparti 5 minutter og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
andrespråk – så god

Innholdet i den planen vi nå behandler, kan kort oppsummeres til mye fag og lite politikk. Jeg vil våge den påstand at politikken først kommer til syne når en velger å la politiske hensyn gå foran faglige råd. Dette vil jeg komme tilbake til senere i innlegget. Etter framleggelsen av forvaltningsplanen i 2006 har det vært arbeidet med å dekke ytterligere kunnskapsbehov. En har særlig konsentrert seg om kartlegging av havbunn, sjøfugl og geologi. Den største innsatsen har vært rettet mot områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja samt området Eggakanten. Disse områdene ble valgt ut i 2006, fordi de var interessante for petroleumsvirksomheten, samtidig som de var identifisert som særlig verdifulle og sårbare områder. Det er ikke kommet fram ny kunnskap som tilsier at man bør endre status for områdene som ble identifisert som særlig verdifulle og sårbare i 2006. Høy miljøverdi i de særlig verdifulle og sårbare områdene er blitt ytterligere bekreftet og styrket gjennom den kunnskapsinnhenting vi har foretatt siden 2006. Dette omfatter områdene utenfor Lofoten, Vesterålen, kysten av Troms, Eggakanten og 50 km kystbelte utenfor Finnmark. Jeg vil understreke at den nye kunnskapen som er presentert i meldingen, gir grunnlag for å fastholde konklusjonen om at den generelle miljøtilstanden i Barentshavet og Lofoten i hovedsak er god. Unntaket gjelder sjøfugl, hvor mange bestander har hatt en sterk tilbakegang det siste tiåret. Det er et stort flertall i komiteen som støtter at det ikke åpnes opp for en konsekvensutredning i Lofoten og Vesterålen i denne stortingsperioden. Den videre kunnskapsinnhentingen i området varsler imidlertid om snarlige omkamper, og på vegne av Kristelig Folkeparti kan jeg fortelle at vi er beredt til å forsvare torsk, sjøfugl og sårbare kystområder også i nye runder. Så ønsker jeg å gå tilbake til det jeg antydet tidligere, at politiske hensyn settes foran faglige hensyn. Som tidligere nevnt er det ikke framkommet ny kunnskap som tilsier at man bør endre status for de områdene som ble identifisert som særlig verdifulle og sårbare i 2006. Regjeringens beslutning om å fjerne de skjerpede utslippskravene som til nå har vært gjeldende for petroleumsvirksomheten i Barentshavet, gis det i meldingen ingen faglig begrunnelse for å endre, og det framstår som en ren politisk overprøving av faglige råd. De strenge utslippskravene for Barentshavet ble iverksatt av regjeringen Bondevik II i St.meld. nr. 38 for 2003–2004, og de representerte den gang – og inntil i dag – en vesentlig skjerping i forhold til de kravene som gjelder ellers på kontinentalsokkelen. Kristelig Folkeparti har merket seg at SV og Senterpartiet her sammen med Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet i det som må kalles et realt miljøpolitisk selvmål. Kristelig Folkeparti fremmer derfor i salen i dag forslag om at de skjerpede utslippskravene til petroleumsvirksomheten i Barentshavet opprettholdes slik som er status i dag. Vi er også forundret over at regjeringen uten faglig begrunnelse innskrenker beltet i kystsonen langs Troms og Finnmark, hvor det ikke skal tillates igangsatt ny petroleumsvirksomhet fra 50 km til 35 km, som ny grense. Her trer også den nye storkoalisjonen sammen og vedtar politikk i strid med faglige råd – de faglige rådene som vi har innhentet siden forrige runde her i salen. salen. I meldingen står det eksplisitt uttalt at det ikke er kommet fram ny kunnskap som tilsier at man bør endre status i disse områdene. Her er politikk gått foran fag og en forvaltningsplan som skulle være faglig basert. Det forteller mye. Jeg tar med dette opp de forslag fra Kristelig Folkeparti som er omdelt i salen her i dag. Representanten Line Henriette Hjemdal har

Hva er det som gjør at Kristelig Folkeparti ikke ville vente og se på resultatene av dette omfattende arbeidet før de konkluderte med at de ikke vil ha slik virksomhet i Lofoten og Vesterålen? Kristelig Folkeparti har akkurat samme formuleringer i denne stortingsperioden som vi hadde i forrige stortingsperiode, og som vi arbeidet ut fra

På mange måter er forvaltningsplanen dermed også typisk for en del av de debattene som vi har hatt i vår komité. Forvaltningsplanen legger rammene for næringsvirksomhet i regionen – for reiseliv, for fiskeri og havbruk, for skipsfart og for petroleumsvirksomhet. Sammenhengen mellom disse ulike hensynene og avveiningene mellom dem har ført til mye debatt og høy temperatur. Jeg er veldig glad for for at regjeringen har imøtekommet så mange av de hensynene som må tas. Forvaltningsplanen ivaretar hensynet til å skape næringsvirksomhet og vekst i regionen, samtidig som den ivaretar hensynet til miljøet. Det oppdaterte faglige grunnlaget for forvaltningsplanen har gitt oss en god ramme å diskutere innenfor. Det arbeidet som er gjort, er formidabelt. Vi har fått ny kunnskap om havbunnen gjennom MAREANO-programmet, vi har økt kunnskapen om og innsamlet geologiske data gjennom seismikkskyting. For Arbeiderpartiet er det viktig å sikre at forvaltningen av våre havområder skjer på en faglig forsvarlig måte, på et så godt beslutningsgrunnlag som mulig. Derfor er jeg glad for at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett har styrket satsingen på MAREANO-programmet og på innhenting av seismikkdata. Jeg skal ikke gå i detaljer om det faglige grunnlaget, men jeg vil likevel trekke fram noen sentrale momenter fra kartleggingen av miljøtilstanden, for det er noen skjær i sjøen. Det er en nedgang i bestanden av sjøfugl, havklimaet er i endring, og enkelte selarter og fiskeslag har en negativ utvikling. Det er vi nødt til å ta på alvor. Likevel er det slik: Barentshavet er et rent og rikt hav. De store fiskebestandene er i god forfatning.

Regional næringsutvikling er et sentralt mål for Arbeiderpartiet. Vi vil ta hele landet i bruk, og vi vil derfor at det skal legges til rette for utvikling og vekst i hele Norge. Forvaltningsplanen handler om næringsutvikling. Vi ønsker å satse på fiskeri, på havbruk, på turisme, og vi ønsker å fortsette petroleumsvirksomheten i Nord-Norge. Alle disse målsettingene krever en langsiktig, kunnskapsbasert forvaltning. Det er det denne forvaltningsplanen leverer.

Debatten rundt forvaltningsplanen fokuserer mye på områdene utenfor Lofoten og Vesterålen. Da er det viktig å understreke at det er andre store og til dels større områder i Barentshavet som egner seg for olje- og gassvirksomhet. Det store olje- og gassfunnet på Skrugard-feltet gir veldig god grunn til optimisme. Den oppdaterte forvaltningsplanen åpner for ny aktivitet i

petroleumsvirksomhet. Eggakanten åpnes for petroleumsvirksomhet. På Jan Mayen har regjeringen varslet at det vil bli skutt seismikk fra 2012, med sikte på tildeling av utvinningstillatelser. Jeg må si at jeg er veldig tilfreds med at Olje- og energidepartementet også skal foreta en kunnskapsinnhenting av petroleumsrelevante forhold utenfor Lofoten og Vesterålen, som en kan bruke om en eventuelt vil – og putte det inn i et konsekvensutredningsprogram, om noen eventuelt vil det etter 2013. Den løsningen vi nå har fått på plass, opprettholder et fint tempo i prosessen framover. Nordland VI og VII og Troms II er lovende områder for petroleumsvirksomhet – særlig gjelder dette Nordland VI. Da er det viktig å understreke at Nordland VI allerede i stor grad er åpnet, og at aktivitet i disse områdene kan starte i 2013, om det skulle vise seg å være Utviklingen i Hammerfest viser at petroleumsaktivitet i nord kan gi store ringvirkninger lokalt. Arbeiderpartiet har en stolt historie når det gjelder å legge til rette for industri og næringsliv. Vi er et parti som jobber for arbeidsplasser og for en aktiv næringspolitikk. Så langt er det skapt 250 000 arbeidsplasser med vår regjering, og to av tre av dem har kommet i privat sektor. I vår så vi igjen viktigheten av god oljevernberedskap, da den islandske tankeren «Godafoss» gikk på grunn utenfor Hvaler i Østfold. Den største miljøtrusselen i Lofoten og Barentshavet er nettopp slike ulykker i skipstrafikken. Oljevernberedskap er derfor avgjørende for å sikre disse havområdene. Jeg er veldig glad for at det har vært bred enighet i komiteen om at oljevernberedskap er veldig viktig i disse områdene. Regjeringen har styrket oljevernberedskapen de siste siste årene. I Nord-Norge er det i dag stor aktivitet innen oljevern. Jeg mener at veldig mye ligger til rette for at Nord-Norge kan bli ledende i landet, og i verden, innenfor dette feltet. Regjeringen har opprettet et nasjonalt forum for oljevernberedskap, som skal samordne arbeidet med det. Jeg vil understreke hvor viktig det er å bygge videre på den kompetansen som finnes om Lofoten og Barentshavet. Opprettelsen av et nasjonalt senter for oljevernberedskap i Finnmark er derfor veldig For Arbeiderpartiet er det viktig å legge til rette for et aktivt næringsliv i regionen, knyttet til reiseliv. Reiseliv er en stor næring som sysselsetter mange i Nord-Norge, og som gir store verdier. Det er viktig å ta vare på de naturomgivelsene som har gitt oss denne muligheten til næringsutvikling. Jeg opplever at den forvaltningsplanen som nå ligger her, gir gode muligheter for reiselivet i Denne forvaltningsplanen legger gode rammer for næringsutvikling og naturvern utenfor Lofoten og i Barentshavet. Arbeiderpartiets politikk handler om næringsutvikling og regionale ringvirkninger, og vår politikk handler om å bevare miljøverdiene våre. Denne forvaltningsplanen mener jeg balanserer veldig godt mellom hensynet til miljø og hensynet til næring.

er vel hyggelig å bli omtalt som profil. En skal ikke bli forundret over at det skinner av Fremskrittspartiet. Men datasystemet åpnet ikke for å trykke på replikknappen, så derfor fikk vi ikke registrert oss. Jeg er veldig glad for at representanten Sund vektlegger oljenæringen så bra, og omtaler den så positivt. Men det er et stykke fra ord til handling når en ikke våger å ta skrittet videre, og si at en vil foreta en konsekvensutredning. Alle vet at dette skyldes de interne konfliktene i regjeringen, der Arbeiderpartiet ikke våger å gjøre det som flertallet i denne salen mener er rett. Når en likevel snakker om hvor mye en kan få til i 2013, høres jo det veldig bra ut, for da kan en åpne for oljevirksomhet i Nordland VI, for der er allerede deler av det konsekvensutredet, og en kan ta den kunnskapen som en nå henter inn, klippe og lime rett inn i en konsekvensutredning, for der er allerede deler av det konsekvensutredet, og en kan ta den kunnskapen som en nå henter inn, klippe og lime rett inn i en konsekvensutredning, og dermed ha gjort jobben likevel. Samtidig vet vi at Eirin Sund skal gå til valg på et rød-grønt alternativ, der SV skal være med. Da synes jeg en skylder å gjøre både Stortinget og velgerne oppmerksom på: Tror Eirin Sund at SV i 2013 plutselig og automatisk med et magisk trykk vil stemme for at en konsekvensutredning skal gjennomføres utenfor Lofoten, Vesterålen og

Kristelig Folkeparti. Så det Solvik-Olsen skal si til sine velgere i Rogaland, og som jeg skal si til mine, er at det er rimelig usikkert – kanskje uansett – hva de eventuelle samarbeidspartnerne vi har, kommer til å lande på. Det som også er viktig for Arbeiderpartiet, er at i Soria Moria sto det at vi skulle ta stilling til konsekvensutredning. Jeg skal ikke stikke under stol at i Arbeiderpartiet var det et stort flertall for konsekvensutredning. Regjeringen landet på at en skulle ha kunnskapsinnhenting, og for oss var det viktig at det ble gjort i regi av Olje- og energidepartementet, og at det var en kunnskap som det kan være relevant å bruke, hvis en ønsker det, i 2013. Da skal systemet ha kommet på jobb, og registrerer dem som ber om replikk. Neste replikant er representanten Siri A. Meling. Jeg registrerer at representanten Sund sier at det var et stort flertall i Arbeiderpartiets gruppe

områdene i Lofoten og Vesterålen få ta del i dette? Hva er det igjen av troverdigheten til Arbeiderpartiets industripolitikk når de lar SV styre det som er landets desidert viktigste næring? Nå er det slik at i regjeringen sitter det tre partier, og alle tre partier skal tas hensyn til når beslutningene skal tas.

på bordet som har tilsagt at en skulle kunne gjøre noe før det. Så er det sånn at jeg må få minne representanten Meling på at i disse to periodene som regjeringen har sittet i kontorene og har hatt flertall på Stortinget, har det vært en formidabel aktivitet også i petroleumssektoren. Jeg må minne om at vi har skapt 250 000 nye arbeidsplasser, og to av tre av disse har vært i privat sektor. Så når det gjelder både hva vi har gjort, og hva jeg skal fortelle vi skal gjøre framover de neste fire årene, skal jeg med stolthet melde hva vi har gjort, og hva vi skal

denne rulleringen av forvaltningsplanen har Oljedirektoratet hatt noen framtidsbilder. Asplan Viak har beregnet at utbyggingen av felt i tråd med disse framtidsbildene kan gi økt sysselsetting i Nord-Norge på mellom 4 000 og 6 000 sysselsatte i perioden fram til 2043. Men det som kommer fram i disse beregningene, er at den største aktiviteten vil være i den nordligste delen av Nord-Norge. Det skyldes i all hovedsak at det er der vi ser de største ressursene. Min utfordring til regjeringen, representert av representanten Sund, er: Hvorfor er det da så stort press på å få konsekvensutredning utenfor Lofoten og Vesterålen som ikke er den nordligste delen av Nord-Norge, men kanskje den mest sårbare, i forhold til at vi heller skulle hatt fokuset nordover og droppet de sårbare områdene?
I mitt innlegg la jeg vekt på at det har vært mye fokus på Lofoten og Vesterålen, men jeg la spesielt vekt på at kanskje noen av de største og beste områdene for petroleumsvirksomhet er lenger nord enn Lofoten og Vesterålen, nemlig i Barentshavet. Derfor har regjeringen også bestemt at det skal konsekvensutredes i Barentshavet Sør, og derfor gjør vi grep mye mer aktivt for at petroleumsindustrien får arealer som er interessante. Derfor har vi også, som representanten Solvik-Olsen sier, satt Lofoten og som representanten Solvik-Olsen sier, satt Lofoten og Vesterålen på vent i den forstand at vi ønsker mer kunnskap nettopp fordi det er et sårbart område. Men samtidig er det heller ikke til å legge skjul på at en ønsker den kunnskapen, for det er et stort ønske fra deler av Nordland selv om å få konsekvensutredet om det er mulig å ta i bruk de ressursene som en også vet ligger utenfor Lofoten og Vesterålen. Men

Forvaltningsplanen er viktig. Det er viktig å ha en helhetlig tilnærming til måten vi forvalter våre areal og sjøområder på. Det er alle enige om. I disse områdene vi snakker om her, er fiskeri, lokal industri, skipsfart, turisme og petroleum viktige næringsgrener for befolkningen. Det burde det fortsatt være i framtiden. Vi tror det er fint mulig å kombinere dette på en god måte. En må ta hensyn til både miljøinteresser, næringsinteresser og friluftsinteresser. Det er viktig at en gjennomfører den kartleggingen av sjøfugl og havbunnen som en har satt i gang med, har kontroll på bestanden av fisk og ivaretar de estetiske verdiene. Dette er det altså fint mulig å få til, mener vi. Derfor understreker vi både i vår merknad, i debatten i denne sal og i samfunnsdebatten, ikke minst, at dette må være en forvaltnings- og utviklingsplan, ikke en forvaltnings- og verneplan. Grunnen til at jeg understreker det, det, er at vi har debatten om forvaltningsplanen for Norskehavet friskt i minne, der dagens miljøvernminister flere ganger kom i skade for å si det han egentlig mente om hva den forvaltningsplanen er, og det var å kalle den for en verneplan. Det er ikke til fordel for den befolkningen som bor i de områdene som forvaltningsplanen vi diskuterer i dag, skal omhandle. Forvaltningsplanen må gi regionen mulighet til å høste av de ressursene de har. Dette området vi snakker om, er svært forskjellig geografisk I noen deler er det vekst, i andre deler er det fraflytting. Ikke minst må de deler som fraflyttes, få følelsen av at forvaltningsplanen jobber for dem, og ikke for en videre fraflytting fra disse områdene. Vi må sørge for at forvaltningsplanen skaper optimisme, opprettholder og øker bosettingen og satser på næringslivet. En del av det er at det skal være mer attraktivt for ikke bare enkeltpersoner å kunne finne seg en jobb, men for familier.

I deler av dette området er forvaltningsplanen bra for petroleumsnæringen, i tråd med det Fremskrittspartiet ønsker. Delelinjekonflikten har blitt løst. Det har regjeringen fått ros for, og det fortjener den. Jeg er også veldig glad for, og litt overrasket over, at en har kommet så kjapt i gang med seismikkskyting i disse områdene. Det skal regjeringen ha ros for. Det er viktig, for det gir et signal om at det en avviklingsplan regjeringen jobber med når det gjelder olje – der er SV litt parkert, takk og pris – men det er en offensiv plan i disse områdene. Jan Mayen ble det skrytt av. Da er jeg litt mer på tja-stadiet. Jeg har ingenting imot å finne olje og gass på Jan Mayen, men det er ingen logikk i at en skal gå lengst mulig vekk fra land og jobbe seg innover. Det er mer naturlig at en jobber seg fra der en er, og utover. Derfor framstår Jan Mayen fortsatt mer som en skrytesak for olje- og energiministeren enn en reell sak som egentlig er i tråd med det oljeindustrien og Olje- og energidepartementet mener er fornuftig. Det er viktig at denne utviklingen i petroleumsnæringen også får ringvirkninger på land, både fordi det er med og bidrar til verdiskaping og velstand på land, og fordi det skaper større aksept og legitimitet for den næringen. Det som har skjedd i Hammerfest, bør være en inspirasjon for alle i denne sal.

nevne for representantene Strøm, Arnesen og andre som kommer til å bruke denne talerstolen til å skryte av hvor viktig det er med konsekvensutredning, at det er ingen grunn til å tro at de rød-grønne partiene, hvis de er i et kollektiv fortsatt, vil ha en annen oppfatning i 2013 enn de har nå. at representanten Serigstad Valen plutselig vil argumentere iherdig for en konsekvensutredning som han i fire år har argumentert imot. Det tilsier at den kunnskapsinnhentingen som regjeringen skryter av skal gjøres, ikke vil kunne materialisere seg i en konsekvensutredning hvis dagens regime fortsetter. Det er det verdt for velgerne å legge merke til.

Noen vil hevde at nå har vi funnet Skrugard-feltet, eller Sverdrup-feltet, litt avhengig av hvem som får bestemme navn i dette landet. Da må en nøye seg med det. Så har en begynt med seismikkskyting på de nye norske områdene, og da må en nøye seg med det. Jeg mener det også er viktig å prøve å videreutvikle Lofoten, Vesterålen og Senja, rett og slett fordi en tror det er ressurser

om arbeidsplasser, slik at de når det etableres ny leverandørindustri, vurderer like sterkt å etablere seg i Lofoten, Vesterålen og rundt Senja som i nord og sør der det er åpent for næringsvirksomhet. Utfordringen her er at hvis Lofoten hele veien blir hengende på etterskudd, etablerer næringsklyngen seg andre steder i Nord-Norge, og man får ikke ny sysselsetting av betydning i de områdene som vi her snakker om.

og dokumentere hvilke utfordringer som eventuelt finnes, og stille krav som gjør at oljenæringen må strekke seg for å møte de kravene. Energi- og miljøkomiteen har vært i England og sett hvordan en gjør det der. BP får lov til å utvinne olje og gass på Wytch Farm, i et område med mange naturreservater rundt. De har gjort det på en måte som gjør at befolkningen er fornøyd, oljeselskapet er fornøyd, og natur- og miljøinteresser ivaretas. Det er ingen grunn til at ikke vi skal kunne gjøre det samme her. Hvis det betyr at det er olje- og gassforekomster nær land som gjør at en ikke vil ha noen boreoperasjoner på kysten, så går det an å kreve boring fra land. Slike ting må vi kunne diskutere, men da må vi ha en konsekvensutredning å diskutere det ut fra. Nå blir denne diskusjonen lagt på is fordi regjeringen ikke takler det ennå. Det samme gjelder oljevern. Jeg er veldig glad for den oljevernkompetansen som er i regionen, og den bør vi prøve å videreutvikle. videreutvikle. Det fremkommer også i merknadene. Men skal de også ha et større hjemmemarked, så er deres egen bakgård en del av det. De burde ha alle forutsetninger for å kunne utvikle et produkt som er tilpasset en god HMS-tilnærming til eventuell ny oljevirksomhet utenfor kysten i Nordland VI, Nordland VII og Troms II. Men det er også viktig at de føler at VI, Nordland VII og Troms II. Men det er også viktig at de føler at de kan få lov til å være med og tenke fram egne industriprosjekter, egne prosjekter der de utvikler lokal næringsinfrastruktur basert på at de kan høste av energiressursene og ta dem til land, f.eks. bruke dem i et gasskraftverk eller i en proteinfrabrikk – alle mulige slike ting som andre deler av Norge kan diskutere, men som Lofoten, Vesterålen og Senja ikke får lov til av regjeringen fordi de ikke klarer å bli enige internt. Det er beklagelig, men i 2013 vil en annen regjering gjøre noe med

gitt inntrykk av at her kunne man åpne nærmest umiddelbart hvis Fremskrittspartiet vant valget og kom til makten. «Klarer vi å starte arbeidet med en konsekvensutredning på 100 dager, så gjør vi det,» sa Siv Jensen. Da er det fristende å spørre Fremskrittspartiet om resultatet av den konsekvensutredningen som partiet i dag fremmer forslag om, ville vært totalt irrelevant i og med at man så tydelig har gitt uttrykk for at her skal det bare kjøres på uansett. Nei, konsekvensutredning vil ikke være irrelevant. Men det som Fremskrittspartiet kommuniserer, og som Arbeiderpartiet ikke klarer å kommunisere, er at vi ønsker å forsøke å utnytte olje- og gassressurser utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, på samme måte som vi ønsker å forsøke å utvinne på resten av kysten. Men så er det konsekvensutredningen som skal stille krav, og som skal sette kriteriene for at det skal skje på en forsvarlig måte. Det kan bety at på enkelte deler av sokkelen vil det være strengere krav enn andre steder. Det kan bety at på enkelte deler vil det ta lengre tid før oljenæringen klarer å møte de kravene som da på en måte blir en naturlig utsettelse. Da er det ikke fordi en politisk sier det, men fordi næringen selv trenger mer tid på å utvikle den kunnskapen. Jeg mener det er viktig å prøve å utvinne de olje- og gassressursene. Tidvis sier også Arbeiderpartiet det samme, men når de sitter i dette regjeringssystemet, blir de dessverre handlingslammet, og da får en spørsmål som dette. En konsekvensutredning er ikke en blankofullmakt, men en konsekvensutredning er en villighetserklæring – hvis vi kan kalle det det – slik at noen av disse olje- og gassressursene bør en prøve å utvinne. Som representanten

måte. Da trenger du ikke ha en forvaltningsplan i bunnen som har gitt alle svar, fordi de svarene du føler at du trenger å få, får du ved å stille krav i konsekvensutredningen om at de temaene skal berøres. Så en konsekvensutredning vil gi de svarene Serigstad Valen etterlyser, uavhengig om du har forvaltningsplanen i bunnen. Replikkordskiftet er omme. Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljøet i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten er et omfattende og viktig dokument. Formålet er å tilrettelegge en balansert utvikling hvor vi

Bondevik II-regjeringen la fram det som den gang var verdens første havmiljømelding, nemlig St.meld. nr. 12 for 2001–2002 Rent og rikt hav, og introduserte med dette en helhetlig økosystembasert tilnærming i forvaltningen av våre havområder. Forvaltningsplanene har kommet som en oppfølging, og disse har vært gode verktøy for å se både verdiskaping og naturhensyn i et helhetlig perspektiv. Det er gledelig at miljøtilstanden i disse havområdene betegnes som å være i hovedsak god, selv om det for enkelte arter er en mer krevende situasjon. Dette gjelder noen fiskearter, og det gjelder sjøfugl. Årsakssammenhengen ved at disse artene har utfordringer, er til dels ikke helt klarlagt. De store fiskebestandene er i god forfatning, og dette vitner om at det har vært gjort gode forvaltningsmessige grep både med hensyn til beskatning og med hensyn til kontrollregimet og samarbeid med bl.a. Russland. Det er mye spennende som skjer i de havområdene denne forvaltningsplanen omfatter. Dette gjelder ikke minst innenfor det som er Norges største og viktigste næring, nemlig petroleumssektoren. Statoil gjorde nylig et funn på Skrugard i Barentshavet, og dette funnet har på mange måter gitt nytt håp og inspirasjon til fornyet optimisme i forhold til hva disse havområdene kan inneholde av petroleumsressurser. Avtalen mellom Norge og Russland om delelinjespørsmålet bidro også til økt optimisme i området, og det er positivt at Oljedirektoratet har varslet at de i løpet av få uker vil gå i gang med seismikkinnsamling i dette området for å kartlegge ressurspotensialet med hensyn til mulige olje- og gassforekomster. Det er bra at Norge kommer tidlig på banen, og at vi på denne måten kan bidra til å sette miljø- og sikkerhetsstandarder i dette området. Et viktig spørsmål knyttet til denne oppdateringen av forvaltningsplanen dreide seg om hvorvidt en konsekvensutredning for olje- og gassaktivitet i områdene ved Lofoten og Vesterålen skulle igangsettes. Høyre er skuffet over at regjeringen, og kanskje særlig Arbeiderpartiet, ikke ønsker en konsekvensutredning i inneværende stortingsperiode og heller tar til orde for en såkalt kunnskapsinnhenting i disse spørsmålene. Hvorfor er Høyre skuffet? Høyre har en tydelig politikk innenfor dette området. Vi ønsker en petroleumsaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen velkommen. En konsekvensutredning for oss er mer et spørsmål om på hvilken måte områdene skal åpnes, og hvilke krav Norsk oljeproduksjon har vært fallende fra toppåret 2001. Siden den gangen har produksjonen falt med om lag 45 pst. Samtidig er det ventet fall i gassproduksjonen fra 2020. Jakten på nye funn må derfor trappes, først og fremst ved at det åpnes nye leteområder. Dersom vi ikke klarer å få frem nye gassfunn, vil volumene på gass produsert fra norsk sokkel altså avta allerede fra 2020. I disse dager legger Europa sine strategier innenfor energiområdet. Ulykken ved kjernekraftverket i Fukushima har gjort at store land i Europa nå har besluttet å stenge ned sin kjerneproduksjon eller å la være å realisere planlagte prosjekter. Dette innebærer at de viktigste av våre markeder kommer til å ha store energibehov framover. Og selv om veksten i fornybarproduksjonen kommer til å være til stede, vil også behovet for norsk gass sannsynligvis øke siden klimautslippene fra denne type energiproduksjon er under halvparten av de utslippene produksjon basert på kull, representerer. Dersom EU skal våge å satse på ytterligere bruk av gass i forhold til sin egen forsyningssikkerhet, må disse ha en viss grad av sikkerhet for leveranser i et langsiktig perspektiv. Regjeringens utsettelse av spørsmålet om konsekvensutredning og åpning av områdene ved Lofoten og Vesterålen sender dessverre et signal i feil retning.

fremover. Den første av disse er å sikre næringen tilgang til nye, attraktive områder. Havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen er definert som attraktivt område. Oljedirektoratet har gjennom seismikkinnsamling også estimert ressursene til å være betydelige. Vi tror at en olje- og gassaktivitet kan forenes med hensynet til både miljø og andre brukergrupper av havet, enten det dreier seg om fiskeri, reiseliv eller andre aktiviteter. Nye teknologiske løsninger bidrar ofte til dette, slik at det fra vår side handler mer om å stille krav til denne aktiviteten. Så vil de ulike selskapene kunne komme opp med løsninger som innfir disse kravene. En spesiell utfordring i disse områdene er kystnær beliggenhet og til dels en smal sokkel. Arealkonflikt med fiskerinæringen må tas på alvor, og det er kanskje spesielt i perioder med seismikkinnsamling at dette problemet er størst. Høyre mener at dette må kunne løses gjennom strenge krav til hvilke perioder seismikkinnsamlingen kan foregå samt å gi pålegg om en samordnet innsamling. Ofte er det i seismikkinnsamling at konfliktnivået er høyest i forhold til fiskerinæringen. Derfor er det samarbeidet og de tiltak som bl.a. Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet har jobbet frem sammen ved å kurse fiskerikyndige for å gi disse økt kompetanse, viktige bidrag for å få ned konfliktnivået mellom disse to ulike næringene. Høyre er også skuffet på vegne av landsdelen. Området Lofoten og Vesterålen er en region som generelt er preget av en befolkningsnedgang, og som etter hvert møter store demografiske utfordringer. Høyre ønsker å bidra til at denne regionen kan få utnytte olje- og gassressursene til lokale og regionale ringvirkninger. Dette vil gi ny optimisme i området, og ungdommen vil ha mulighet til interessante jobber i sitt nærmiljø på en annen måte enn det som er tilfellet i dag. Dagens utsettelsestaktikk rammer regionen unødig. Energi- og miljøkomiteen var nylig på komitéreise i Lofoten og Vesterålen. Der ble det stilt spørsmål om hvorfor eiendomsprisene på Sortland lå overraskende høyt. Svaret var at få tør å investere i ny bolig fordi innbyggerne er usikre på altså om det blir olje- og gassaktivitet i området eller ikke. Blir det petroleumsaktivitet, tør innbyggerne investere. Blir det ikke denne type aktivitet, vil heller ikke innbyggerne satse i dette lokalsamfunnet gjennom den langsiktige investeringen et husprosjekt faktisk er. Høyre er tydelig på at vi ønsker lokale og regionale ringvirkninger som følge av at det åpnes for petroleumsaktivitet i disse områdene. Vi har tidligere foreslått et næringsfond, eller infrastrukturfond, på og i inneværende års statsbudsjett foreslo vi å bevilge 200 mill. kr til kompetanse- og leverandørutvikling, nettopp for å bidra til at næringsaktørene i dette området får muligheten til å utnytte en petroleumsaktivitet. Det har vært lagt frem ulike rapporter om hvilke lokale og regionale ringvirkninger en petroleumsaktivitet vil kunne ha. Jeg vil gjerne fremheve den såkalte industriskissen til Statoil som etter min oppfatning går langt i å love både ilandføring, landbasert aktivitet, lokale arbeidsplasser og store inntekter til de ulike kommunene. Noen vil hevde at dette er løse ideer, men jeg mener at vi etter å ha opplevd hvilke ringvirkninger Snøhvit-prosjektet, og nå senere Goliat, har hatt for Hammerfest-området, vitner dette om at petroleumsaktivitet gir muligheter i et nærområde. Disse mulighetene ønsker vi fra Høyres side også å kunne tilby lokalsamfunn i Lofoten og Vesterålen. I tillegg har den norske stat store inntekter fra denne sektoren. En utvikling av olje- og gassressursene i området vil gi store inntekter også til staten og til videreutvikling av velferdssamfunnet. Et siste moment er at det ved aktivitet kan tenkes at infrastrukturen fra Norskehavet forlenges nordover og kan representere et viktig bidrag på veien til infrastrukturkobling helt opp mot

konsekvensutredning. Ofte har de kritisert Arbeiderpartiet i denne sammenheng. Vi hørte det nå senest i dette innlegget fra Meling. Men jeg vil minne representanten Meling om at Høyre i sin siste regjeringsperiode slett ikke var så aktiv. I Bondevik II-regjeringen satt Høyre sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre – og de er jo ikke Stortingets mest Hva er årsaken til at Høyre har en annen oppfatning om oljeutvinning i nord nå enn det de hadde da de satt i regjering? Denne regjeringen har jo lagt til rette for god utvikling i olje- og gassnæringen. Det har aldri vært større aktivitet på sokkelen enn nå. Vi ser både en oljenæring og en leverandørindustri som er i god vekst. Jeg mener at regjeringen i forvaltningsplanen har i forvaltningsplanen har lagt opp til en skrittvis utvikling av oljenæringen i nord. Denne forvaltningsplanen er etter min mening et stort skritt for oljenæringen i nord. Høyre er absolutt styringsdyktig på disse områdene. Det viste vi også gjennom samarbeidet med Kristelig Folkeparti og Venstre under Bondevik II. Noe av det første den regjeringen gjorde, var å åpne for Snøhvit-utbyggingen. Vi vet alle hvilke ringvirkninger dette har hatt for Hammerfest-regionen, for Finnmark og for den nordlige landsdelen. Da vi behandlet Snøhvit-utbyggingen, ble det estimert at de lokale ringvirkningene ville ligge på rundt 500 mill. kr. De som var skeptiske til denne utbyggingen, sa at dette var altfor høyt estimert. Nå kjenner vi jo historien i etterkant, at de lokale og regionale ringvirkningene har vært i milliardklassen. Så Høyre har ingenting å skamme seg over i forhold til vår historie under Bondevik II, tvert imot. Sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre viste vi at vi kunne styre en utvikling også når det gjaldt petroleumsressursene i nord. En fellesnevner for de fleste ringvirkningsrapportene som er gjort, både i forbindelse med forvaltningsplanen og også gjennomført av uavhengige, er

de sannsynlige anslagene for oljeforekomster i området ble justert nedover og nedover. Det er jo interessant. Så er det sånn at Statoil-rapporten, som representanten Meling sikter til, nærmest legger til grunn, så vidt jeg leser den, at Statoil tildeles alle lisensene i områdene. Hvis ikke kan jo ikke Statoil garantere for ilandføringsanlegg både her og der og alle ringvirkningene, slik de gjør. Da er mitt enkle spørsmål: Hvilke garantier har representanten Meling for at Statoil ville fått styringen med alle lisensene i en eventuell åpning av Nordland VI og VII og Troms II? Det forholdet er ikke noe representanten rår over. Men uansett om det er Statoil eller andre selskaper som får anledning til å utvikle disse områdene, gir denne industriskissen fra Statoil et overblikk over det som kan tenkes av lokale og regionale ringvirkninger. Jeg vil igjen påpeke den gode utviklingen som har vært i Hammerfest-området. Hammerfest kan på mange måter sammenliknes med Vågan i forhold til det utgangspunktet de hadde i befolkningstallet før Snøhvit. Vi ser at Hammerfest har hatt en sterk økning i sin befolkningsutvikling, mens Vågan har gått motsatt vei. Vi ser at etableringslysten er at det har gitt store ringvirkninger både når det gjelder arbeidsplasser, og når det gjelder inntekter til kommunen og verdiskaping i regionen. Og vi har ingen grunn til å tro at ikke det samme også skal gjelde for områdene ved Lofoten og Vesterålen. Senterpartiet er imot ei konsekvensutgreiing når det gjeld områda Nordland VI og VII og Troms II. Argumentasjonen har vore at dette er

eg representanten Melings innlegg, der ho veldig tydeleg seier kva ho legg i ei konsekvensutgreiing. Det er altså ikkje eit spørsmål om om områda skal opnast, men på kva måte dei skal opnast, og kva krav som skal stillast når denne opninga skjer. Oppfattar eg at representanten Meling er einig i Senterpartiets syn på konsekvensutgreiing, at det rett og slett er ein del av ein opningsprosess? Meling er einig i Senterpartiets syn på konsekvensutgreiing, at det rett og slett er ein del av ein opningsprosess? En konsekvensutredning trenger ikke nødvendigvis være en del av en åpningsprosess, men det viser seg i en del tilfeller at det er det. Representanten Sande vet like godt som jeg at en også har hatt konsekvensutredninger og ikke åpnet for aktivitet i de områdene som er konsekvensutredet. Nå synes jeg Senterpartiets holdning i denne saken er noe underlig i forhold til det verdipotensialet, de arbeidsplassene de arbeidsplassene og de inntektene som en olje- og gassaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen kunne ha representert for disse lokalsamfunnene. Fra min side ser jeg ikke noe som kan være i nærheten av å representere det samme potensialet. Men jeg håper at Senterpartiet har noen gode alternativer, siden de går høyt på banen og er imot selv en konsekvensutredning av disse områdene ved Lofoten og Vesterålen.

kontinuerlig gis stor oppmerksomhet, og som har klart å vekke mye debatt. Forvaltningsplanregimet gir stor forutsigbarhet og er et flott symbol på den kunnskapsbaserte tilnærmingen vi har utviklet til forvaltningen av våre enorme havområder. Teknologutviklingen, vår lange erfaring med bruk av havets ressurser, kompetansen vi har opparbeidet oss med offshore oljevirksomhet, og ikke minst de mulighetene vi har i dag til å miljøkartlegge store områder med høy presisjon, gir et mye bedre grunnlag enn noen gang før for å legge til rette for en god forvaltning av disse havområdene. SV er veldig fornøyd med planen som er lagt fram av regjeringen. Det er fra regjeringens side gjort en kjempeinnsats for å innhente kunnskap, bearbeide den og omsette det i konklusjoner. Og det er viktige konklusjoner, bl.a. at vi ikke skal åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for oljevirksomhet. Det var fjorårets store debatt, og den gikk mellom miljøvernorganisasjoner og et stort folkelig engasjement på den ene siden og en mektig oljeindustri på den andre. Tusenvis av mennesker har i flere år engasjert seg i debatten. En bred folkelig aksjon lokalt forankret og under god ledelse satte dagsordenen. Og det trengtes, for i manges øyne var våre svært sårbare områder i Nordland VI og VII og Troms nærmest allerede åpnet da det ble klart at regjeringen skulle oppdatere forvaltningsplanen for Lofoten, Vesterålen og Barentshavet. Oljeindustrien har brukt store ressurser på overbevisende å argumentere for å åpne disse områdene, og en del av disse kampanjene har kanskje fungert bedre enn oljelobbyen selv har trodd, for etter hvert som debatten skred fram, var det stadig flere som nærmest begynte å se på Nord-Norge som et uten verdier, uten framtid og uten arbeidsplasser, om man ikke åpnet for å hente ut hver dråpe olje som måtte finnes der. Da utelukker man de utrolig viktige arbeidsplassene Nord-Norge allerede har, og som er unike. Tenk f.eks. på fiske i Lofoten, som Norge har en mer enn tusenårig tradisjon for, og som ville settes i direkte fare ved oljevirksomhet i disse områdene. Er det noe noe det faglige grunnlaget for forvaltningsplanen og debatten som fulgte, viser oss, er det at denne landsdelen er rik på kjempestore muligheter hvis de forvaltes riktig. Fiskeriressursene er enorme og kan være evigvarende. Mulighetene for fornybar energi er enorme, og Hydra Tidals virksomhet i Lofoten er ett av mange eksempler på det. Også reiselivet er i sterk vekst. Det er faktisk en av de mest stabile og sterkest voksende næringene i landet, også gjennom finanskrisen. Og med god satsing og ytterligere profesjonalisering, som bransjen selv etterspør, kan veksten bli enda større og gi enda flere arbeidsplasser. Jeg er glad for at stortingsflertallet sier at risikoen ved å åpne for oljevirksomhet i disse områdene er så store at det ikke er verdt det. Og det er illustrerende at hver gang et stortingsflertall avviser å åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for oljevirksomhet, kaller Høyre og Fremskrittspartiet utsettelse. Det betyr at en beslutning, etter Fremskrittspartiets og Høyres definisjon av ordet, er det kun hvis den er på linje med det Høyre og Fremskrittspartiet faktisk mener. Alt annet er en utsettelse – jeg ser at representanten Meling nikker. Dagen i dag er en gledens dag. Derfor varer ikke smilet til representanten Meling. Denne forvaltningsplanen er en god plan for Nord-Norge – for fiskerne, for de tusenvis av lokale aktivister som har stått på for lokalsamfunnet sitt, og for miljøbevegelsen som feirer. feirer. Høyreopposisjonens negativitet og forsøk på å så splid i dagens debatt er en god indikator på at det vi vedtar i dag, er rett. Vedtaket i dag gir rom for å gå videre med satsingen på næringsprosjekter som har måttet stå på vent mens politikerne har kranglet om oljeboring. Det gir fiskerinæringen en forutsigbarhet den trenger, og det er et viktig signal om at oljeindustrien ikke kan regne med å få tilgang på alle områdene den peker på, men at hensynet til miljø, fisk og andre næringer og arbeidsplasser også skal spille inn. Dette er vel tredje gang en regjering innstiller på ikke å åpne disse områdene, og det er tredje gang Stortinget gir sin tilslutning. Det blir åpnet for replikkordskifte. Fremskrittspartiet mener det er fornuftig å ta en konsekvensutredning, fordi vi har erklært en vilje til å prøve å utvinne olje- og gassressursene. Så er

Så er det en del arbeiderpartifolk i denne salen som gir inntrykk av at nå skal vi hente inn kunnskap, men i 2013, ligger det mellom linjene, kan Arbeiderpartiet også gjøre en konsekvensutredning, med en rød-grønn regjering. Jeg ber om et enkelt svar fra representanten Serigstad Valen: Ser representanten for seg at SV, hvis de fortsetter i en regjering etter 2013, plutselig og magisk vil snu i dette standpunktet og være for en konsekvensutredning, og tillate at det skjer i en rød-grønn regjering? Eller vil representanten Serigstad Valen bidra til at SV opprettholder det standpunktet de har hatt i seks år og klart å vinne fram med to

Så viser erfaringene oss, litt uavhengig av hvilket stortingsflertall vi har, at Stortinget ser det slik at den beste beslutningen er å ikke åpne områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring, fordi de er svært sårbare områder. Om man skal åpne nye områder, er det bedre å gjøre det i andre felter som ikke er like sårbare. Jeg kan ikke se at den situasjonen skulle forandre seg i 2013. Det eneste unntaket måtte være hvis Høyre og Fremskrittspartiet fikk rent flertall

Men det er ikke bare høyresiden som snakker om det. Også representanten Sund sa ikke bare at det i 2013 kommer en konsekvensutredning, hun sa også at i 2013 kan vi faktisk åpne allerede konsekvensutredede områder, hvis jeg tolket henne riktig. Vi har også hørt representantene Arnesen og Strøm – på komitéreise – ivre for ny petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen. Jeg er sikker på at også velgerne til representantene Sund, Arnesen og

om hvorvidt vi skal åpne områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring eller ikke. Jeg kan ikke forskuttere SVs framtidige programprosesser. Jeg ser ingen grunn til at vi skal endre standpunkt når det gjelder Lofoten, Vesterålen og Senja. Jeg kan ikke svare for Arbeiderpartiet eller Senterpartiet – eller Høyre, for den saks skyld – men bare konstatere at SV lovte at så lenge vi sitter i regjering, åpnes ikke områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring. Så langt har vi holdt det løftet. Det er en gledens dag – representanten

Vi har jo innhentet kunnskap siden 2006. Den nye kunnskapen tilsier at man ikke bør endre status for de områdene som vi så på som sårbare og svært verdifulle i 2006. Det har den kunnskapen bekreftet. Allikevel endrer regjeringen utslippsregime, fra et spesielt strengt utslippsregime til et helt vanlig regime, tross de faglige begrunnelsene som vi har brukt penger, krefter og tid på å innhente siden 2006. Hvor er den miljøfaglige kartleggingen med stor presisjon her? Den miljøfaglige kartleggingen av dette feltet er det Klima- og forurensningsdirektoratet som står for. for. De anbefalte, så tidlig som i 2008, at det ikke bør innføres generelle krav til nullutslipp av produsert vann, borekaks og borevæske på norsk sokkel. Det nullutslippsregime vi innførte i Barentshavet i 2003, var etter føre-var-prinsippet, noe jeg er sterk tilhenger av. Siden den gang har vi med bakgrunn i den virksomheten som har foregått i Barentshavet, økt vår kunnskap om denne virksomheten, og vi har fått ny informasjon. Blant annet har regjeringen besluttet å gjøre en større helhetsvurdering også knyttet til deponeringen av boreslam på land av boreslam på land og de klimagassutslippene som følger av det regimet vi har i dag. Derfor har regjeringen, bl.a. på faglig grunnlag, besluttet å endre det regimet. Til slutt må jeg bare legge til at jeg mener det er illustrerende at Kristelig Folkeparti, som vi jo er enige med når det gjelder de store linjene i denne saken, klager i dag, mens miljøbevegelsen

men noko vi forvaltar på vegner av dei som kjem etter oss. Ein forvaltningsplan er ein god reiskap for oppfølging av ei sånn overordna ideologisk tilnærming. Derfor har Senterpartiet vore oppteke av å få på plass denne type forvaltningsplanar for havområda våre og av moglegheita for jamleg å oppdatere og revidere dei. Havområdet frå Barentshavet til Lofoten er stort og utgjer ein betydeleg del av Noreg sitt samla areal. Det inneheld fleire verdifulle og sårbare område, som det er peika på i innstillinga. Lofoten- og Vesterålen-området, Eggakanten og dei kystnære områda utanfor Troms og Finnmark er eksempel på slike sårbare område. Ny kunnskap har ytterlegare bekrefta desse verdiane. Kartlegginga av dei viktige havområda i nord viser at havet er reint og det er rikt. Ureiningsgraden er i all hovudsak låg, og dei store fiskebestandane er i god forfatning. På den andre sida viser kartlegginga at havklimaet er i endring. Det er aukande forsuring, aukande havtemperatur og avtakande utbreiing av havisen. Dei fleste sjøfuglbestandane er i tilbakegang. Vi vil stadig trenge meir kunnskap om desse utviklingstrekka og kva som ligg bak dei. Men vi må samtidig forvalte ut frå den kunnskapen vi har i dag. Regjeringa har peika på at hovudutfordringane i perioden fram mot 2020 er det er klimaendring og havforsuring, nedgang i sjøfuglbestandane, handtering av risikoen for akutt oljeforureining og å vidareutvikle ledda i ei økosystembasert ressursforvaltning. Mange av sjøfuglbestandane viser ei bekymringsfull utvikling, og det er nødvendig for oss å forstå betre forholdet og interaksjonen mellom reproduksjon og overleving av sjøfuglartane på den eine sida og dei pelagiske fiskeslaga på den andre.

mykje viktigare når det gjeld transport. Vi veit enno ikkje kva framtida vil bringe når det gjeld uttak av mineralressursar og produksjon av fornybar energi i området. Vår utfordring som forvaltarar er å sikre at ressursutnyttinga og aktiviteten skjer med omsyn til den sårbarheita som dette området har, og innanfor berekraftige rammer. Særleg er den aukande transporten som er forventa gjennom området, ei stor utfordring,

same måten. Det har vore ein debatt kring verdiskaping i nord. Eg synest tidvis den debatten blir einsidig knytt til petroleumsaktivitet. Det er altså eit stort potensial i dei nordlege områda våre på fleire område. Lat meg nemne reiseliv og fornybar energi som to eksempel. Så har vi ei svært levedyktig fiskerinæring i desse områda som vi skal byggje vidare på. Så det er altså ikkje sånn at om ikkje heile dette området skulle bli opna for petroleumsverksemd, betyr det stagnasjon og tilbakegang. Tvert om er det ei stor framtid for dette området. Den petroleumsverksemda som no kjem i området, skal gje lokale ringverknader. Det er også viktig å understreke frå Senterpartiet si side.

Samtidig veit vi at Noreg er storleverandør av energi til Europa, og vi ser at Tyskland gir signal om at dei ønskjer å stengje ned kjernekrafta si i 2020. Det vil tilseie at Noreg blir ein vesentleg viktigare energileverandør til bl.a. dette landet, og til Europa generelt. Så ser vi at infrastrukturen som er bygd opp langs kysten så langt, er stoppa opp noko sør for Lofoten. Lofoten. Vi veit også at ein olje- og petroleumsaktivitet er viktig for distrikta. På komiteen sin tur oppover fekk vi bl.a. sjå den demografiske utviklinga i Lofoten, som gjekk feil veg. Vi ser at tradisjonelt fiskeri og reiseliv ikkje er nok. Ønskjer ikkje Senterpartiet å vere med på å byggje ut næringslivet og aktiviteten også i denne

Uavhengig av om ein no opnar for petroleumsverksemd i nokre av dei områda som denne planen omfattar, vil det vere behov for eit breitt spekter av arbeidsplassar og verdiskaping. Dei næringane som eg her nemner, er fornybare og – i alle fall potensielt – evigvarande næringar, som det ligg store moglegheiter i. Den næringa som

Vi ser at den demografiske utviklinga i våre tre nordlegaste fylke viser ein region som har utfordringar med å oppretthalde folketalet. Særleg gjeld dette i ein del av kommunane i Lofoten og Vesterålen. Kommunane og fylkeskommunane ser faresignala, og derfor er dei også sterke pådrivarar for å starte konsekvensutgreiing av områda utanfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er svært viktig at denne regionen får anledning til å vidareutvikle industri, arbeidsplassar og moglegheiter på ein måte som gjer at det er attraktivt å busetje seg der. Dette er også ein av grunnane til at Høgre ønskjer konsekvensutgreiing. Senterpartiet likar å kalle seg eit distriktsparti. Sviktar ikkje Senterpartiet både lokaldemokratiet og ein heil landsdel når dei seier nei til ei konsekvensutgreiing av områda utanfor Lofoten, Vesterålen og Senja? Eg trur òg Høgre må vere så Eg trur òg Høgre må vere så ærleg at ein innrømmer at det er delte meiningar òg lokalpolitisk om petroleumsutvinning i desse områda. Det er ikkje sånn at absolutt alle folkevalde i denne oljelandsdelen ynskjer å opne for petroleumsutvinning i desse områda – så er det òg sagt. Når det gjeld vekst og utvikling i desse områda, viser eg til det svaret som eg gav til representanten Grimstad. Senterpartiet er levande oppteke av å få til ei positiv utvikling i desse områda. Det må vere eit paradoks, synest eg, for representanten Lødemel å sjå at under denne regjeringa opplever fleire kommunar, òg i dette området, ei positiv folketalsutvikling, samanlikna med det ein del kommunar opplevde under den førre regjeringa, der Høgre hadde kommunalministeren. Det viser at det faktisk også er andre verkemiddel som her kan takast i bruk for å leggje til rette for verdiskaping i desse områda. Det er mange spennande næringar som har eit kjempepotensial, og vi i Senterpartiet ynskjer å vere med og vidareutvikle dei. Representanten Sande startet sitt innlegg med å si at forvalteransvaret ligger til grunn for Senterpartiets politikk. Det er en verdi som Kristelig Folkeparti deler. Senterpartiet har vel et slagord som heter «Ta hele landet i bruk» – kanskje hele sokkelen også, når vi nå diskuterer energi. Sande var opptatt av at i Nord-Norge har man et stort potensial i forhold til reiseliv, fornybar energi og også fiskeri. Det støttes av undertegnede. Men det er slik at nå skal vi flytte olje- og gassvirksomheten nordover, og da er det avgjørende viktig for Nord-Norge at man får lokale og regionale ringvirkninger. Det sto et slag om det i salen i går. La nå det ligge. Men det er litt oppsiktsvekkende at representanten Sande og Senterpartiet ikke er med på merknader i komitéinnstillingen om dette, om at vi bør bygge opp kompetanse og leverandørindustri i Nord-Norge. Hvorfor er det slik?

er jo sånn at vi til liks med Kristeleg Folkeparti har vore tydelege i spørsmålet om petroleumsutvinning utanfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det burde representanten sagt i staden for å nemne at vi ynskte å ta heile sokkelen i bruk. Men så er vi samtidig opptekne av at der vi har petroleumsverksemd – og der går ein jo framover i delar av dette området, og har auka petroleumsaktivitet

Det er det av to grunner. Lofoten og Vesterålen er et meget viktig område i Norge for å ta vare på naturen. Men det er også veldig få miljøseire som har vært under denne regjering, og da er det viktig å feire dem vi har. Vi er glade for den utsettelsen vi nå får, og mener at det er mange erkjennelser som burde ha seget inn over denne salen når vi behandler den i dag. For det første viser denne saken at Lofoten og Vesterålen egentlig bare er smuler i Olje-Norge. Venstre er for olje og oljeboring, minus de plassene vi er imot. Vi mener også at det ikke hadde vært ubetinget bra hvis vi hadde skrudd av den norske oljekrana over natta og andre oljeleverandører skulle levere til verdensmarkedet. Det betyr ikke at det hadde vært bra for miljøet. Det er viktig for velferdsstaten vår at vi utvinner vår olje på en god måte, og det er viktig for miljøet at vi både er i stand til å møte framtidas utfordringer med omstilling, og at vi gjør det på en best mulig miljøvennlig måte. Men når drømmen om olje er utgangspunktet, er Lofoten og Vesterålen en bagatell. Ja, sjøl Ekofisk, som har vært drevet i over 40 år, har mer ressurser enn det vi snakker om i Lofoten, Vesterålen og Senja. Venstre ønsker primært et varig vern av området. Det er for det første fordi det er et veldig viktig fiskeområde, det er gyteområde for en veldig viktig del av fiskeressursene våre. Det er et viktig naturområde. Det er et viktig turistområde i forhold til turismeutvikling. Men vi mener ikke bare at dette er et fint sted i Norge, som det høres som det er. Vi mener at dette er en del av vår verdensarv som vi faktisk er forpliktet til å ta vare på. Det er to grunner til at de områdene er spesielt viktige å ta vare på. Det ene er at sokkelen her er veldig smal, noe som fører til at drifta og drivverdige forekomster blir enda nærmere land. Sjøl om vi prøver å drive vår oljevirksomhet så sikkert som overhodet mulig, er det ingen som kan garantere at det aldri skal skje noe galt. Det andre er at dette er et så viktig område når det gjelder å ta vare på verdensarven som vi er satt til å forvalte. forvalte. Når vi ser hvordan andre land tar vare på sin store verdensnaturarv, syns jeg det minste vi kan gjøre, er å sørge for at Lofoten, Vesterålen og Ytre Senja skal være et område som er vårt bidrag til verdens naturarv. Venstre er veldig glad for at vi satt i regjering da prinsippet om forvaltningsplan ble vedtatt.

området. Poenget med en forvaltningsplan var jo den helhetlige tankegangen om hele sokkelen, der vi skulle innføre rødt og grønt lys. Det at regjeringen nå har satt gult lys, er et godt skritt i riktig retning, men vi hadde aller helst ønsket at man hadde fått rødt lys på dette området. Venstre kommer også til å stemme for Kristelig Folkepartis forslag, nr. 2 og 3. Jeg har en kommentar spesielt knyttet til forslag I nordområdene vet vi at sikkerhet er viktig for å få til løsninger som skal være bærekraftige. Vi har sett hvordan is, snø og kulde på Snøhvit har ført til at vi har hatt ekstra utfordringer med å gjøre jobben på ordentlig vis. Det å flytte grensa fra 50 km til 35 km vil føre til at oljeutslipp når land mye fortere. Man får vel knapt uttalt ordet «oljelense» før man har utslippet ved land. For å illustrere det kort: Da Statfjord A i 2007 slapp ut 36 000 tonn olje i et utslipp, forsvant det før det nådde land.

meninger. Det Stortinget gjør i dag, med regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre, er nettopp å finne et slikt nasjonalt kompromiss i et av de vanskeligste temaene Stortinget har stått overfor i denne fireårsperioden. Det er behov for nasjonale kompromisser når ulike næringer står overfor hverandre. Ja, vi trenger selvsagt både olje, gass, fiskeri, reiseliv, offentlig sektor og en serie andre næringer i den nordlige landsdel. De kan ofte sameksistere, men det er motsetninger mellom dem også, og nasjonale kompromisser er nødvendige. Vi trenger nasjonale kompromisser i saker hvor befolkningen er delt. I spørsmålet vi diskuterer nå, viser alle meningsmålinger at totalbefolkningen i Norge er delt omtrent på midten. Befolkningen i Nordland er delt omtrent på midten, og befolkningen i Lofoten og Vesterålen er delt omtrent på midten, pluss-minus i de meningsmålingene som er utført. Desto viktigere er det å finne nasjonale kompromisser. om vekst eller vern, næringsvirksomhet og/eller miljø og hvordan de skal sameksistere, er trolig den viktigste konfliktlinjen i Norge de siste tiårene. Det er det som har ført til flest konfrontasjoner. Desto viktigere er evnen til å finne nasjonale kompromisser i slike saker. Veldig få beklager i dag at Gro Harlem Brundtland på 1970-tallet, med to stemmers kjempet gjennom vern av Veig og Dagali og dermed det vernet av Hardangervidda som, med veldig få unntak, hele Stortinget og hele befolkningen i dag slutter opp om. Det var en hard kamp den gangen. Men det er et eksempel på den slags kompromisser som har vært Norges styrke siden. Grunnen til at det er særlig viktig med kompromisser i spørsmålet om Barentshavet og Lofoten, er at dette er et område med helt unike naturverdier. 93 pst. av all norsk fanget torsk fanges i Barentshavet/Lofoten. Det er den største internasjonale torskestamme. 85 der. Kanskje mer overraskende for de fleste: 64 pst. av all sild, 57 pst. av reker og 50 pst. av sei. Jeg skal ikke gå fiskeriministeren mer i næringen på disse områdene. Det er også et helt sentralt område for hekkende sjøfugl. Det er 5 millioner par hekkende sjøfugl i området Barentshavet/Lofoten. Det er 90 pst. av alle hekkende sjøfugl i Norge, inkludert Svalbard. Røst er det største fuglefjellet på det europeiske fastlandet,

Så det er enorme, fantastiske naturverdier som her står på spill. Det er selvsagt også områder hvor det er viktig med næringsutvikling og sysselsetting. Forvaltningsplanene er noe Norge har fått mye internasjonal anerkjennelse for. Det er stor internasjonal respekt for dem. Mange kommer for å kopiere dem. Jeg er glad for at hele flertallet i Stortinget i dag uttrykker en så stor begeistring for arbeidet med forvaltningsplanen. I denne forvaltningsplanen legger regjeringen ikke bare til rette for en god ivaretakelse av sentrale naturkvaliteter. La meg si at naturtilstanden i norske havområder er god, trolig den beste eller blant de beste i verden. Barentshavet er et rent og rikt hav. De store fiskebestandene er i god forfatning, takket være god forvaltning av fiskerimyndighetene gjennom lang tid. Og det er et lavt forurensningsnivå i disse områdene, om enn en betydelig bekymring for sjøfugl. Så det er en god naturtilstand, takket være god forvaltning. Så legger vi også til rette for

så hvorfor man velger å snakke ned istedenfor å vektlegge betydningen av reiseliv, er for meg uforståelig. Vi skal altså ha en balansert utvikling av fiskeri, reiseliv, olje og gass og offentlig sektor. Når det gjelder utviklingen av olje og gass, legges det opp til vesentlige nye leteområder for olje- og gassvirksomheten. Finnmark er det store nye området for slik letevirksomhet, samtidig som man tar vare på det mest sårbare området, nemlig Lofoten og Vesterålen, og ikke åpner for oljeutvinning der. La meg si at det mest underlige i denne debatten er den hån som Høyre og Fremskrittspartiet i virkeligheten øser ut over Kristelig Folkeparti og Venstre. For i denne debatten har Høyre og Fremskrittspartiet gjort det til en hovedsak å si at SV – og det inkluderer sikkert også Senterpartiet – har fått Arbeiderpartiet med på et nasjonalt kompromiss om dette, og det er skadelig. Jeg mener at dette nasjonale kompromiss er veldig godt. Men hvis det er skadelig, må det jo bety ett av to: enten at Høyre og Fremskrittspartiet ikke reelt har tenkt å invitere Kristelig Folkeparti og Venstre med i en regjering, selv om de hele tiden sier at de vil det – da er det klargjørende

og at den hån som Fremskrittspartiet og Høyre her viser overfor sine potensielle regjeringspartnere, sier veldig mye om de to partiene. La meg legge til at i veldig mange år var et av Høyres viktigste slagord at Norge måtte bli mindre oljeavhengig. De av oss som husker – og det er jo ikke så veldig lenge siden – da Kåre Willoch var statsminister i Norge, var et av hans viktigste anliggender å sørge for at Norge skulle få et bredere næringsliv og Da er det underlig at Høyre hver eneste gang det er en sjanse til å gjøre Norge mer oljeavhengig, velger å si ja takk, la oss bruke denne sjansen, istedenfor å se på det som regjeringen her har gjort: en balansert utvikling av de ulike næringene, hvor man ikke setter inn oljevirksomhet i men gir olje- og gassnæringen en god mulighet til å utvikle seg parallelt med fiskeri, reiseliv og andre næringer, og inkludert offentlig sektor. Jeg besøkte Lofoten for to-tre uker siden og snakket med Lofotrådet og med ordførerne der. Det var interessant å se den framtidsoptimismen som disse ordførerne ga uttrykk for, og den store interessen de viste for å utvikle Lofoten som et verdensarvområde på UNESCOs verdensarvliste. Helt uavhengig av hva man måtte mene om oljevirksomhet, må det være all mulig grunn til å gjøre det. Som det framgår av papirene her, har Vega hatt en mangedobling av turisttilstrømmingen – riktignok fra et lavt grunnlag – etter at man fikk verdensarvstatus. Og en serie andre områder både i Norge og internasjonalt har hatt dette. La oss nå gå videre sammen med Lofotkommunene – selvsagt på basis av det de sier – og utvikle Lofoten som verdensarvområde, og som verdensarvområde, og på basis av det få til den økte tilstrømmingen av turister og dermed en sikrere utvikling av reiselivet som en årsnæring i Lofoten og Vesterålen. La meg til slutt peke på to områder hvor det er grunn til miljøbekymring for Barentshavet og Lofoten, trass i at den generelle tilstanden er god. Det ene er sjøfugl. Vi ser en drastisk nedgang i sjøfuglbestandene, ikke bare der, men også i Østersjøen, i det vestlige Atlanterhav, Grønland, Færøyene – i det hele tatt i nordområdene. Vi setter i gang samarbeid med de andre nordiske land for å se hva vi kan gjøre med nedgangen i sjøfuglbestandene. Den andre miljøbekymringen er knyttet til havforsuring. Dette er den store, ukjente faktor i dag i Mye tyder på at havene blir surere som følge av klimaendring. Vi vet lite om hva de langsiktige virkningene av dette kan være, men det er all mulig grunn til å slå alarm, og det er enda større grunn til å utvikle mer forskning og mer kunnskap på dette området, slik at vi vet hva vi eventuelt kan foreta oss for å motvirke eventuelle negative virkninger av det.

Men det som blir spørsmålet til statsråden, er: Tror statsråden at det i framtiden vil finnes teknologi og prosesser i oljenæringen som gjør det forsvarlig å drive oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen og Senja? Vil det i framtiden kunne være teknologi og prosesser som gjør det forsvarlig? Eller mener statsråden at det for evig og alltid bør stenges fordi det ikke kan være mulig å forsvare det?

Så reagerer jeg litt på at Solvik-Olsen, når Høyre og Fremskrittspartiet i hele denne debatten ved nær sagt hver eneste replikk har angrepet enten SV for å ha overstyrt Arbeiderpartiet eller Arbeiderpartiet for å ha gitt litt inn overfor SV og ikke ser betydningen av et slikt nasjonalt kompromiss, reagerer på at jeg sier noe om at det sier noe om den innstillingen Fremskrittspartiet og Høyre har til sine potensielle samarbeidspartnere, som man åpenbart mener at det ikke skal gjøres noen kompromisser med.

Stortinget. Det er heller ikke respektløst overfor Kristelig Folkeparti og Venstre at Fremskrittspartiet og Høyre fremmer sine synspunkt i denne sammenheng. Det vi mener, er at for Arbeiderpartiet, som for andre gang gir seg i denne saken, er dette en viktig sak, for dette handler om arbeidsplasser og næringsvirksomhet i nordområdene. Tilbake til mitt spørsmål: Når statsråden sier at en ikke kan utelukke at det en gang i framtiden finnes teknologi, mener da statsråden også at en skal unngå å verne disse områdene mot petroleumsvirksomhet for evig framtid, slik at den dagen teknologien finnes, kan en ta et skritt i retning av å gjøre en konsekvensutredning for å høste de energiressursene som finnes utenfor Lofoten, Vesterålen og
Ethvert storting og enhver regjering må vurdere en hvilken som helst beslutning på basis av den teknologien som finnes på et gitt tidspunkt. Det er en absolutt selvfølge, og vil selvfølgelig gjelde framtidige storting. Det vi nå tar stilling til, er på basis av den teknologien som nå finnes, og nå er det ikke – etter min oppfatning – forsvarlig å sette i gang noen konsekvensutredning av Lofoten og Vesterålen, for det finnes ikke teknologi som gjør det troverdig at dette ikke vil ha en vesentlig miljøødeleggende virkning. virkning. Så gjentar jeg at det ikke er galt av Fremskrittspartiet og Høyre å legge fram sitt syn. Det er heller ikke galt at det er forskjellig fra Kristelig Folkepartis og Venstres. Men det som er galt, er at Fremskrittspartiet og Høyre nå i denne debatten har gjort det til hovedanliggende å angripe Arbeiderpartiet fordi Arbeiderpartiet har funnet et nasjonalt kompromiss med Kristelig Folkeparti, med Venstre, med SV og med Senterpartiet. Fem partier har her laget et nasjonalt kompromiss – det er åpenbart galt. Det må jo si alt om hva Fremskrittspartiet og Høyre har tenkt å gjøre selv i forhold til Kristelig Folkeparti og Venstre.
Ja, det er morsomt. Neste replikant er Nikolai Astrup. Presidenten spør Astrup om han har bedt om to replikker. Jeg tar gjerne det, president. Da blir det anledning til det. Det er nokså spesielt å høre på statsråden, fordi det kan virke som om han ikke har fått med seg noen av innleggene fra Arbeiderpartiets representanter som har vært holdt i dag – ikke innlegget fra representanten

tok opp, nemlig om det i fremtiden vil finnes teknologi som gjør det mulig for SV å endre syn i denne saken. Hva synes statsråden om det BP gjør i Sør-England i et nasjonalt vernet område, der man driver oljevirksomhet, men borer fra land, slik at man begrenser enhver form for mulighet for utslipp til

før. Mye av det skyldes nettopp at oljeselskapene har vært presset av en sterk opinion, regjeringer har regulert oljevirksomheten – nettopp det som er kjernen i rød-grønn politikk, nemlig at markedet må reguleres. Hvis man slipper næringslivet helt fritt, får man ikke denne typen teknologiutvikling. Er det et område hvor teknologiutvikling nesten alltid skyldes offentlig regulering, og det alene, er det på miljøområdet, for på miljøområdet kommer nesten alltid teknologiutvikling som følge av regulering, og ikke som følge av at markedet i seg selv krever det. Dersom statsråden ønsker å presse på og stille krav som igjen vil føre til teknologiutvikling, er det noe Høyre stiller seg meget positiv til, og vi erkjenner at det nettopp er krav fra myndighetene innenfor den sektoren som i stor grad Ettersom statsråden mener at myndighetene bør presse på og stille krav, vil ikke en naturlig konsekvens være å konsekvensutrede? Hvordan skal man få muligheten til å presse næringen, stille nye krav, bidra til teknologiutvikling, dersom man ikke også konsekvensutreder? Det er en naturlig sammenheng mellom å konsekvensutrede og dermed se på under hvilke vilkår det ville være tenkelig at en slik virksomhet vil kunne settes i gang. Da er igjen referansen til BPs operasjon utenfor Sør-England, der man borer fra land, et interessant eksempel som statsråden bør se nærmere på. Er det en ting denne debatten virkelig til fulle har vist, er det at konsekvensutredning ikke er det som Høyre løp rundt i flere år før denne debatten og hevdet, nemlig en litt uskyldig Debatten har til fulle vist, og Høyre har sagt det veldig klart selv i denne debatten, at konsekvensutredning er et ledd i en åpningsprosess. Da føler jeg at det spørsmålet er definert. Så konstaterer jeg – og det er gledelig – at Høyre har beveget seg veldig langt i en rød-grønn retning historisk, i betydningen av at næringslivet må reguleres. fleste debatter har Høyres hovedutgangspunkt vært å slippe næringslivet mest mulig fritt, mens realiteten er at bare et dynamisk næringsliv som reguleres tett av det offentlige, produserer gode miljøresultater. Til slutt gjentar jeg at det nasjonale kompromisset vi i dag inngår i denne saken, er av fundamental betydning, og det er av stor interesse å vite om Høyre ikke har tenkt å lage noen kompromisser med sine forhandlingspartnere i en eventuell senere regjering, eller bare har tenkt å overkjøre dem. Jeg har lyst til å starte replikken min med å takke statsråden, for det er ikke så

til konsekvensutredning i denne runden, og det var veldig viktig. Det er en god faglig melding statsråden har lagt fram for Stortinget. Den er oppdatert siden 2006. Vi har fått bekreftet at de verdifulle og sårbare naturområdene fortsatt er det, og at de må ha et spesielt omsyn og vern fra vår side. Allikevel er det en endring i forhold til utslippskrav. Det er en innskrenkning i forhold til hvor vi kan drive petroleumsaktivitet i kystbeltet, og det er en voldsom tildeling i forhold til TFO, tildeling i forhåndsdefinerte områder. Jeg håper å bli trodd av statsråden på at dette ikke er noen sutring, men bare de fakta som også ligger i forvaltningsplanen. Så mitt spørsmål til statsråden er: Er det ikke lagt veldig mye god miljøpolitikk i potten for å oppnå et nei til konsekvensutredning i denne

det er også kommet inn mye ny kunnskap som har gjort at vi har ment at det er mulig å ha det samme regelverket i alle disse havområdene. La meg til slutt si at det denne debatten viser, er at Kristelig Folkeparti og Venstre er 99 pst. enig med regjeringen. Kristelig Folkeparti og Venstre er en del av det nasjonale kompromisset som stortingsflertallet i dag er bærere av. Det er veldig positivt.

ute. Undertegnede er også fornøyd. Det viser også at regjeringen går tungt inn i dette ved at man i revidert budsjett nå ønsker å sette fart på kunnskapsinnhenting, og at man bruker store ressurser på det. Det er viktig at departementet i dette arbeidet fører en god dialog med lokale myndigheter og organisasjoner, slik at denne kunnskapsinnhentingen får en god forankring også i regionen. Vi er derfor fornøyd med at regjeringen vil utrede næringsmessige virkninger og ringvirkninger av økt petroleumsaktivitet, spesielt for reiseliv og fiskerinæring. Regjeringens forslag innebærer også at det umiddelbart kan tildeles nye blokker i området utenfor Nordland, og at grensen for aktivitet utenfor Troms og Finnmark flyttes 15 km nærmere land. Dette gir grunnlag for økt aktivitet allerede i dag. Jeg er også fornøyd med at regjeringen slår fast at Nordland VI allerede er konsekvensutredet, og at det dermed kan startes aktivitet i dette området allerede tidlig i neste stortingsperiode. Vedtakene som nå er gjort, åpner også for langsiktige muligheter både for ressursutnyttelse i havområdet og et utvidet samarbeid med Russland. Dette er utrolig viktig for landsdelen og ikke minst for de mer enn hundre tusen arbeidstakere som er ansatt i Og det har vært et stort engasjement i denne saken. Så er det viktig å få forståelse for at fornuftig bruk av naturressursene våre, også mulige petroleumsressurser utenfor kysten, vil være av avgjørende betydning for landsdelens framtid. Naturressursene som grunnlag for verdiskaping, enten det nå er fisk, inkludert havbruk, kraft, mineraler eller skogen på Helgeland, og nå kanskje også olje og gass, er nemlig det som gjør at det fortsatt bor folk fast her oppe. Slik vil det i overskuelig framtid fortsatt også være, i alle fall dersom vi kan unngå bare å bli en vakker kulisse for folk som kommer på besøk og er på ferie. For mange sier jo at det er så vakkert der oppe, men det skal også bo folk der. For oss som vil ha vekst og utvikling i landsdelen, gir nemlig befolkningsutviklingen grunn til uro. Ved inngangen til 2011 var innbyggertallet i Nordland på litt over 237 000 mennesker,

Enda mer bekymringsfullt er det at antallet innbyggere i Nordland mellom 60 og 69 år i løpet av fem år har økt med over 20 pst., mens antallet mellom 20 og 40 år i samme tidsrom er redusert med 10 pst. Vi er altså på full fart mot en «forgubbing» av dette fylket dersom ikke trenden snus. Lofoten og Vesterålen er ikke noe unntak, kanskje heller tvert imot. Flakstad i Lofoten har i løpet av de siste 25 årene hatt en befolkningsreduksjon på nesten 25 pst. Bø i Vesterålen har hatt en reduksjon på godt over 30 pst. i samme periode. Jeg sier ikke dette for å svartmale situasjonen, men det er faktiske opplysninger, og det må man ta på alvor. Vi klarer ikke å snu denne utviklingen bare ved å satse på tradisjonelle næringer. Nordland har vært, og er fortsatt, et stort fiskerifylke, og denne næringen er utrolig viktig. Fangstkvantum og eksportverdi har økt betraktelig, men antall fiskere går stadig nedover. Det er omtrent like mange ansatte i Mo Industripark i Mo i Rana, der jeg kommer fra, som det er yrkesaktive fiskere i Nordland i dag. Misforstå meg ikke: Fiskerinæringen er en del av grunnmuren i landsdelen, og Nordland skal også i framtiden være et stort fiskerifylke. Vi må allikevel ikke ha urealistiske forventninger til at denne næringen alene skal berge bosettingen i fylket. Også fiskeriressurser skal forvaltes på en bærekraftig måte. Vi kan i framtiden ikke forvente oss noen vesentlig økning av kvotene, og fangstmetodene blir stadig mer effektive, slik jeg forstår det. Skipstrafikken langs kysten, eget og andres overfiske og skadelig trålvirksomhet er nok en betydelig større trussel mot fiskeriressursene enn petroleumsvirksomheten noen gang kommer til å bli.

jevnlig. Sommeren 2010, da det ble kjent at forvaltningsplanen ville komme, begynte den politiske dragkampen i regjeringen å ta form. SV og Senterpartiet ville ikke gå videre fra forvaltningsplanen til å starte en konsekvensutredning i henhold til petroleumsloven. Statsministeren måtte bruke sin fulle tyngde på å bestemme at arbeidet med en konsekvensutredning for Lofoten og Vesterålen ikke skulle Flere opplysninger skulle innhentes enda en gang. Fra regjeringen var det vanskelig å få en oversikt over på hvilke områder innhentet kunnskap ikke var tilfredsstillende. Arbeiderpartiets talsmann for energi og miljø, Eirin Sund, var ute med et stort oppslag i VG om at det vi nå trengte, var innhenting av flere opplysninger enn det forvaltningsplanen inneholdt. Dette var nødvendig før en i det hele tatt kunne vurdere å iverksette arbeidet med en konsekvensutredning. SVs Kristin Halvorsen mente derimot at det nå var mer enn nok informasjon for å hindre utarbeidelse av en slik konsekvensutredning. Olje- og energidepartementet gjennomfører kunnskapsinnhenting om virkninger av petroleumsvirksomhet i uåpnede deler av Nordland IV, V, VI og VII og Troms II. Regjeringen skriver at opplysningene kan brukes til en konsekvensanalyse. Fremskrittspartiet mener at det mest logiske er en utvidelse av området for

En positiv konsekvensutredning for Lofoten og deler av Troms vil ha meget stor betydning for bosettingen i dette området. Dersom funn i området er drivverdige, vil det generere mange nye arbeidsplasser innenfor de fleste industridisipliner. Olje- og gassfunn representerer så store verdier at oppbygging av en sterk kunnskapsindustri innenfor områdene vil være mulig. Dette har skjedd langsmed hele kysten etter som olje- og gassvirksomheten stadig har beveget seg nordover. Reiselivsnæringen, som i Reiselivsnæringen, som i store deler av området i nord strever med å få overskudd fra driften, vil ved en olje- og gassutvikling i området oppleve stor etterspørsel etter sine tjenester. Motstanderne av oljeaktivitet i Lofoten og Troms peker på de store farene for miljøet skulle olje-/gassleting og utvinning bli en realitet. Miljøhensyn og ikke minst en sterkt forbedret oljevernssektor vil være nødvendig og også mulig å utvikle ved deltakelse fra oljeindustrien. Eksisterende clustere for produksjon av oljevernutstyr, som i dag er i en tidlig fase, vil få en mulighet til å utvikle seg til en stor industri. Slik jeg ser det, er den største faren for oljeforurensning i området den store og stadig økende skipstrafikken fra olje- og gassfeltene på russisk side. En økende og tilfredsstillende slepebåtberedskap vil bli en realitet dersom det blir utvinning av olje og gass. Flere slepebåter i området er den beste sikring mot skipshavari og miljøskader. Fremskrittspartiet mener at 40 års erfaring fra petroleumsutvinning på norsk sokkel er med på å redusere sannsynligheten for miljøkatastrofer. Skadene på miljøet, på fisk eller sjøfugl har vært ubetydelige i disse 40 år. Bedre utstyr og strengere miljøkrav vil redusere miljøbelastningen ytterligere. Fremskrittspartiet mener at grunnlaget for å iverksette en konsekvensutredning for helårig petroleumsvirksomhet for områdene Nordland VII, Troms II og de uåpnede delene av Nordland IV, V og VI er til stede. En positiv konsekvensutredning vil være en meget viktig pådriver for bosetting og næringsliv i store deler av Nord-Norge. Til slutt: venter at de som under stortingsdebatten i går var svært ivrige etter å få oljeselskapene til å etablere seg nær nye olje- og gassfelt, også stemmer for at en iverksetting av en konsekvensanalyse for Lofoten og deler av Troms blir vedtatt. Petroleumsnæringens betydning for dagens Norge kan ikke undervurderes. Olje og gass er vår største eksportnæring, med leverandørnæringen som en god

La det være en start på forandringene som vil komme de neste årene. Noen vil mene at Norge bør la petroleumsressursene bli i bakken av hensyn til klima og miljø. Jeg er ikke enig. Å strupe norsk petroleumsvirksomhet vil ha liten eller ingen betydning for det globale klimaet, men stor betydning for den norske statskassen. Omstilling den dagen olje- og gassressursene tar slutt, kommer enten vi vil eller ikke, men det vil være lite gjennomtenkt å la petroleumsressursene bli i bakken. må løses med andre og bedre virkemidler, og jeg er glad for at det er en stor grad av enighet om dette i denne salen. Denne enigheten bunner bl.a. i erkjennelsen av at erstatning for norsk gass i Europa er økt bruk av kull. Det er ikke minst et relevant argument i lys av Tysklands beslutning om å fase ut samtlige av landets atomkraftverk. Dersom Norge skal opprettholde en gasseksport tilsvarende 20 pst. av Europas behov, er vi nødt til å finne mer gass å fylle rørene med. Allerede fra 2020 kan Norge få problemer med å innfri våre forpliktelser og det ansvaret vi har påtatt oss for Europas energiforsyning. Verdien av de mange tusen kilometer med rør vi har lagt på norsk sokkel, vil fordunste med mindre vi fyller dem med gass til Europa. Når det er sagt, skal vi selvsagt stille de strengeste miljøkrav som kan stilles til petroleumsaktivitet i Nord-Norge generelt og eventuell fremtidig aktivitet utenfor Lofoten spesielt. Oljevernberedskapen må styrkes, noe som burde skje uavhengig av fremtidig petroleumsvirksomhet. To alvorlige ulykker i Oslofjorden de siste par årene viser hvor sårbar den norske kystlinjen er for ulykker med skip, og i Oslofjorden er det som kjent ingen petroleumsvirksomhet. Spesielt krevende geografiske og klimatiske forhold gjør oss ekstra sårbare i nord. Oljevernberedskap er derfor viktig og nødvendig og vil naturlig bli dramatisk styrket i forbindelse med ny petroleumsaktivitet i området. Det er gledelig at det finnes spesielt sterke bedrifter og kompetansemiljøer på dette i Nord-Norge allerede, hvorav komiteen blant annet besøkte NorLense i forbindelse med komiteens reise til Lofoten og Vesterålen i mai. Komiteens besøk til Wytch Farm utenfor kysten av Sør-England i fjor vinter viste med tydelighet at det finnes muligheter for å produsere olje i sårbare og verdifulle naturområder uten at dette Midt i et av Storbritannias mest populære og vernede naturområder produserer BP betydelige mengder olje fra en installasjon på land. Aktiviteten er ikke synlig, verken for turister eller lokalbefolkning. Horisontale boreteknikker gjør det mulig å bore 11 km til havs fra land. Dermed vil en eventuell utblåsing eller ulykke komme på land og ikke til havs. Det gjør den lettere å forhindre og lettere å håndtere dersom den skulle oppstå.

det skal de også være i fremtiden. Erik Solheim mener det er en hån mot Kristelig Folkeparti og Venstre at Høyre som opposisjonsparti har en selvstendig oppfatning om denne saken. Det avslører et spesielt demokratisyn på linje med det partifellen hans, representanten Langeland, hadde da han uttalte i denne sal da vi diskuterte oljesand, at han ikke kunne skjønne at Kristelig Folkeparti fremmet et forslag som de visste ville bli nedstemt. nedstemt. Det også er i rekken av et spesielt demokratisyn. Statsråd Solheim bør tenke over at Arbeiderpartiet i dag har varslet at det nasjonale kompromisset man har snakket så varmt for, skal oppheves allerede i 2013. Det var det representanten Eirin Sund tok til orde for, og det får være opp til statsråden å vurdere om det er en hån mot SV eller et varsel om

men vi skal også ivareta eksisterende næringsliv, og vi skal se på mulighetene for å utvikle nye næringer hvor flere næringer må kunne leve og virke side om side. Derfor er denne saken og de utredninger som ligger i bunnen for denne saken, så avgjørende viktig for å kunne vurdere hvordan de enorme ressursene i disse nordlige områdene kan utnyttes på en forsvarlig og god måte. Dette gjelder både store, fornybare og ikke-fornybare ressurser som verden utenfor etterspør, og som de betaler godt for. Jeg kan ikke helt forstå dem som for lengst kategorisk har konkludert i denne saken, og lenge før denne viktige oppdateringen kom på bordet, og selvfølgelig også lenge før resten av nødvendig faglig vurdering, kunnskapsinnhenting og konsekvensutredninger var på plass. Hva er vitsen med å bruke store summer og masse fagfolk til å lage slike omfattende utredninger dersom vi ikke skal legge dette omfattende arbeidet til grunn når avgjørelsene blir tatt her i Stortinget? Dette arbeidet har pågått over lang tid, og under arbeidet har vi sett at behovet for å få fram enda mer kunnskap har dukket opp. Dette er egentlig ikke så rart. Når vi vet at vi gjennom dette arbeidet har kartlagt både havbunn, sjøfugl, geologi osv. over enorme havområder, så må man forstå at dette både tar tid og koster store summer. Som innbygger i den nordlige landsdelen føler jeg en betryggelse ved at dette arbeidet gjøres så grundig og omfattende som det vi nå ser. Samtidig snakker vi her om en landsdel og et stort geografisk område som er fullpakket av flere typer ressurser, og som samtidig har behov for flere og robuste næringer for å kunne skape nye og trygge arbeidsplasser og for å kunne trygge og utvikle bosettingen. Som innbygger i nord ser jeg på dette som en viktig målsetting for Nord-Norge. Derfor er mitt store ønske at vi i nord skal kunne beholde og utvikle våre rike fiskerier, våre fantastiske reiselivsprodukter, vårt arktiske landbruk, våre marine næringer samtidig som vi også kan utnytte de petroleumsressursene som vi er så heldige å være i besittelse av. Når jeg nå bærer fram disse ønskene, vil jeg ikke bli beskyldt for å spille hasard med miljøet i den landsdelen hvor jeg selv bor, og hvor jeg har tenkt å bo resten av livet mitt. Jeg er selvfølgelig opptatt av å ivareta miljøet og de fornybare ressursene, men jeg håper jo inderlig at vi også i nord kan få på plass et bredt spekter av næringer, slik vi ser det har fungert i resten av landet over mange tiår. Jeg er derfor tilfreds med den jobben som nå gjøres for å få avklart alle sider ved de forhold som gjelder framtidig utnyttelse av ressursene i nord. Jeg er også svært tilfreds med formuleringen i om det som gjelder oljevernberedskap og miljøovervåking. Alt dette er forhold som henger nøye sammen med en kraftfull satsing i nordområdene, og som de fleste i nord har knyttet stor framtidstro til. Framstegspartiet er til. Framstegspartiet er oppteke av at forvalting av norske havområde skal byggje på kunnskap om samanhengar i økosystemet, og om korleis menneskeleg og industriell aktivitet påverkar dette. Samtidig er det også viktig å anerkjenne at samanhengane er komplekse, og at det vil vere umogleg å oppnå fullstendig kunnskap om desse store havområda.

sjøfugl og geologi, gjennom botnkartleggingprogrammet MAREANO, sjøfuglprogrammet SEAPOP og innsamling av seismikkdata knytte til petroleumsinteressene under havbotnen. Den største innsatsen har vore retta mot områda utanfor Lofoten, Vesterålen og Senja og rundt Desse områda blei valde ut i 2006 fordi dei var interessante for petroleumsverksemda, samtidig som dei var identifiserte som særleg verdfulle og sårbare område. Det er også gjort eit betydeleg arbeid med å styrkje kunnskapen om førekomst og tilførsel av miljøavgifter til norske havområde, gjennom den samordna overvakinga som forvaltningsplanen har initiert gjennom Tilførselsprogrammet. På denne måten har ein fått god kunnskap om kva type tiltak ein må setje inn for å hauste olje- og gassressursane på ein mest mogleg miljøvennleg måte. Like viktig er det å få på plass strategiske infrastrukturtiltak for å leggje til rette for framtidig næringsaktivitet i ein region som ropar etter nye tiltak. Spesielt ser vi at den demografiske utviklinga i våre tre nordlegaste fylke viser at vi har store utfordringar Det er derfor viktig at regionen får moglegheit til å vidareutvikle industri, arbeidsmangfald og moglegheiter på ein måte som gjer det attraktivt å busetje seg der, spesielt i nokre av kommunane i Lofoten og Vesterålen, som har store utfordringar knytte til folketal og utflytt ungdom. Ligg så alt til rette for ny aktivitet i nordfylka? Ja, ein konstaterer at den nye kunnskapen som blir presentert i meldinga, gir grunnlag for å halde fast på konklusjonen om at miljøtilstanden i Barentshavet og havområda utanfor er god, og at dette burde leggje fundamentet til ei revitalisering av ein landsdel som både ønskjer og forventar ny aktivitet. Det er òg all grunn til å forvente at sameksistens med fiskeriinteressene også kan kome på plass, slik det er gjort vidare sørover langs kysten. På komiteens reise i slutten av mai kom det klart fram kritikk mot seismikkskytinga og arealkonfliktane dette medførte. Ei løysing på dette problemet må vere at ein i periodar med sesongfiske stengjer for denne typen aktivitet. At ein må ta spesielle omsyn til kystfiskeflåten, er uomtvisteleg og nødvendig da dei representerer store verdiar med æva som perspektiv. Så får befolkninga og petroleumsnæringa vente på at stortingsfleirtalet gjenspeglar seg i 2013 samstundes med eit rungande ja til opning basert på gode og strenge miljøkrav. I staden for å vere panegyrisk mot utvinning, burde ein heller fokusere på prekvalifisering og miljøkrav, slik at ein kan stille krav til aktørane som får utvinne ressursane framfor å seie nei, nei, slik f.eks. SV gjer, samstundes som dei har små eller ingen motførestellingar mot å bruke ressursane som same næring bidreg med til velferdssamfunnet. Det er rett og er ikkje at framtidig oljeaktivitet i Lofoten og Vesterålen utgjer det største farepotensialet for området. Nei, i dag seglar oljetankarar og andre like utanfor Lofoten og Vesterålen og utgjer ein større trussel når det gjeld utslepp ved ei ulykke. Det Norske Veritas' rapport viser at utsleppsrisikoen aukar markant fram mot 2025 langs det meste av kysten av Nordland, Troms og Finnmark. Utfordringa ligg meir på skipstrafikk framover enn på petroleumsaktiviteten i seg sjølv. Målet og ønsket til Framstegspartiet er at no må også den nordlege delen av landet få del i den fantastiske som ligg i petroleumssektoren, med framgang og vidareutvikling av næringsliv og positiv optimisme, slik vi har sett at ein langs kysten heile vegen sørover har fått ta del i denne næringa. Det beklagelege er at vi vil miste sju år, frå 2006 til 2013, før ein eventuelt får eit ja til konsekvensutgreiing. Desse sju åra kan vere proppen i systemet for at Nordland og Troms delta i den næringsutviklinga ein elles kunne fått i dette området. Det er Arbeidarpartiets ansvar. Ein god dag for regionane i nord er når ein tek i bruk moglegheitsrommet for ei opning av Lofoten, Vesterålen og Senja i tråd med representantane Arnesens og Strøms innlegg. innlegg. Det har vært en lang vei fram til behandling av denne saken i stortingssalen. Det har vært en interessant prosess å være en del av – helt fra man startet arbeidet med forrige forvaltningsplan for nesten ti år Det vi diskuterer, er bruken av noen av de mest spesielle og noen av de rikeste, men også mest sårbare havområdene vi har. Mange har vært inne på hvilke ressurser som finnes her, alt fra sjøfugl til petroleumsressurser, men i global sammenheng er det ingen tvil om at det viktigste er at dette er gyteområdet for verdens siste store torskestamme. Lofotfisket er verdenskjent. Det er en stor inntektskilde for regionen og for landet, og det har skapt arbeidsplasser i generasjon etter generasjon. Forvaltet riktig er dette en evigvarende ressurs og noe man ikke kan spille hasard med. Jeg ble glad for å høre, f.eks. i komiteens høringsrunde, aktører, folk i regionen, uavhengig av hva man måtte mene om konsekvensutredning i denne runden, tydelig at dersom sameksistens ikke er mulig, dersom risikoen er for stor, velger vi fisken foran oljen. Debatten i denne saken har tidvis vært tilspisset. Tilhengere av åpning har blitt beskyldt for å gi blaffen i miljøfaglige råd, å være blendet av fagre løfter fra oljeselskapene, mens motstanderne har blitt beskyldt for å være mot all form for næringsutvikling og for å mene at hele Nord-Norge skal være et naturskjønt museum. Gammel Bush-retorikk om «latte-sipping lefties» har fått sitt gjennombrudd i Norge på grunn av denne saken, og det kunne være fristende å holde en forsvarstale om Oslo-folks demokratiske rett til å ytre seg, men jeg skal la det ligge. Selv om karakteristikkene kan bli vel harde, er jeg glad for at dette er et tema som skaper debatt, og at det å skulle åpne de er noe Stortinget ikke gjør uten et skikkelig kunnskapsgrunnlag. Jeg må innrømme at det er litt rart å høre de partiene som ville droppe hele den enorme kunnskapsinnhentingen som er blitt gjort de siste fem årene, og som vi har brukt ½ mrd. kr på, beskylde sånne som meg for å være motstandere av kunnskap fordi vi stemmer mot konsekvensutredning senere i dag. Jeg tror det er greit om man får en viss ærlighet i denne debatten og innrømmer at oljeselskapenes iver etter konsekvensutredning ikke først og fremst handler om en enorm kunnskapshunger, men om å overstige en viktig formell barriere for åpning. Og det er helt greit. Jeg har stor sympati for ønsket om aktivitet, ønsket om lokale ringvirkninger. Det er ikke vanskelig å forstå. Men når de miljøfaglige rådene er så entydige som de er, er det bra at man tar seg tid og er sikker på at man har belyst alle vesentlige sider skikkelig før man tar en endelig beslutning. Og er det noen havområder vi skal ha debatt om, er det disse. Dette dreier seg ikke om symbolikk eller om at områdene er pene. Det er de, for all del, men det er ikke det det dreier seg om. Det handler først av alt om at dette er områder hvor vi har unike økologiske funksjoner som er viktige for næringsgrunnlaget i hele regionen, og som er viktige for landet. Det betyr ikke at vi skal drive kunnskapsinnhenting i all evighet, som noen påstår, men det dreier seg om å sørge for at beslutningsgrunnlaget er godt nok, fordi dette er et viktig veivalg, ikke bare for en region, men for landet. Dette er et spørsmål av nasjonal interesse. Jeg er glad for det vedtaket vi skal gjøre i dag. Jeg mener det er et vedtak som skisserer opp en veldig fornuftig vei videre. Det viser at miljøfaglige råd har tyngde, også når vi diskuterer petroleum, samtidig som man kombinerer det med et ønske om å belyse hva slags ringvirkninger aktivitet kan gi. Dette er Dette er mulighetenes plan, muligheter for arbeid, verdiskaping, fortjeneste og næringsutvikling, ja det er ubegrenset med muligheter i den planen som er lagt fram. Men det er samtidig sånn at de mulighetene som er avspeilet gjennom den planen som er lagt fram, også gir muligheter for framtiden med hensyn til bærekraftig bruk av ressurser, og for å opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte, produktivitet og mangfold. Det har vært spenning knyttet til rulleringen av forvaltningsplanen, og en går riktige skritt i riktig tempo. En løfter næringslivet, og en gir mulighetene gjennom planen, samtidig som vi forplikter oss gjennom å ta hensyn til de enorme verdiene som ligger i naturen og i havet nord. Et rent, rikt og produktivt hav er kanskje en av de viktigste tingene vi kan sørge for at vi etterlater oss – ut fra vår historie. Vi må forvalte ressursene. Vi må høste på en slik måte at også kommende generasjoner får de mulighetene som vi har i dag. Fiskeri og havbruk, eller som foregående representant sa, lofotfisket, er gode eksempler på at vi må ha en ansvarlig forvaltning der bærekraft og føre-var-prinsippet er en grunnleggende del av de politiske beslutningene som vi tar. Løsningen som regjeringen og stortingsflertallet har valgt, er svært god, nettopp fordi den inneholder det ansvaret som vi helt selvfølgelig skal ta når det gjelder framtidens muligheter for også å kunne utnytte ressursene på en god måte. Planen balanserer hensynet til å ha god framdrift i utviklingen av olje- og gassressursene og inntar et avbalansert forhold til de enorme og forhåpentligvis evigvarende fiskeriressursene som er der. Den oppdaterte forvaltningsplanen viser at det er behov for økt kunnskapsinnhenting. Det er et faktum som blir slått fast, og vi kan ikke underslå det. Vi er nødt til å få mer kunnskap om viktige ressurser i et viktig havområde. Forvaltningsplanen er, som jeg sa, en plan som legger til rette for økt aktivitet, økt verdiskaping og økt sysselsetting på viktige områder. Fiskeri og Fiskeriministeren har lansert at hun skal ha en ny fiskerimelding. Det å tenke på utnyttelsen av fiskeriressursene i dette havområdet er enormt viktig. De begrensningene som denne planen legger opp til, er å ivareta mulighetene for fiskeri og havbruk også i framtiden. Det samme gjelder reiseliv. Det er enorme verdiskapingsmuligheter og enorme sysselsettingsmuligheter i forbindelse med reiselivet i nord. Det samme gjelder selvfølgelig for petroleumsvirksomheten. Det er i denne planen lagt opp til nye muligheter, nye aktiviteter som kommer til å utvikle norsk leverandørindustri og norsk teknologi og underbygge sysselsettingen og verdiskapingen i Norge. Et av de store problemområdene våre er skipstrafikken. Der må vi hele tiden være på vakt fordi det kanskje er der faren for å ødelegge ressurser er størst. Men den aktiviteten som denne planen gir mulighet for, er det grunn til å glede seg over. Det er sånn at når det gjelder aktiviteten på norsk sokkel, som det er fokusert noe på i denne debatten – der forskjellene faktisk ligger – tror jeg vi i utgangspunktet også fra denne talerstol skal erkjenne at den takten som denne regjeringen har lagt opp til, har styrket norsk leverandørindustri. Det er et avbalansert forhold mellom hva som skal åpnes, hva det skal legges til rette for av nye attraktive områder, og også hva norsk teknologiutvikling og norske leverandører og kunnskapsmiljøer faktisk kan klare å være med på å utvikle. I sum har vi all grunn til å glede oss over det arbeidet som er oppsummert i forvaltningsplanen, og over de viktige veivalgene som trekkes opp, ikke minst gjennom de forsterkninger som flertallets merknader til forvaltningsplanen faktisk utgjør. Det er, som sagt, en melding med muligheter. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Regjeringens ambisjon er at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon. Det betyr at vi skal høste og

Bestandsestimatene for de viktigste fiskebestandene i Barentshavet forteller at forvaltningen har truffet blink de siste årene. For nordøstarktisk torsk og hyse har vi for tiden rekordhøye gytebestander. Vårt mål er å forvalte på en måte som opprettholder et høyt bestandsoverskudd innenfor det som kan regnes som en bærekraftig utnyttelse av ressursene. Samtidig legger vi til rette for at de bestandene som har hatt en negativ utvikling, gis mulighet til å ta seg opp. Jeg tenker da spesielt på kysttorsk, uer og snabeluer. Forvaltningsplanen skal sørge for at sjømatnæringens rammevilkår sikres for framtiden. Vi har tross alt å gjøre med en næring som utnytter en fornybar ressurs, en ressurs som kan produsere overskudd på ny og på ny, og sikre inntekter i uoverskuelig framtid – vel å merke dersom ting gjøres på rett måte. Petroleumsvirksomhet er – i motsetning til fiskerinæringen – en tidsbegrenset aktivitet. Vi vet at den vil ta slutt en gang, når reservene er oppbrukt. Derfor må vi ha tanker om hva vi skal leve av i etterkant. Og i etterkant skal vi fortsatt leve av verdiskaping fra ressursene som fornyer seg selv. Det betinger selvsagt at sjømatnæringen ikke forulempes – verken under en tidsepoke med oljeutvinning. Forvaltningsplanen peker på behovet for kunnskapsinnhenting. Vi må forstå de komplekse økosystemene, slik at vi kan dra nytte av dem – både direkte og indirekte – i all framtid. Vi trenger å vite mer om konsekvensene av oljesøl. Vi er nødt til å ha en god beredskap for å takle ulykker og akutt forurensning. Mer kunnskap om risikoen for utslipp og de ulike metodene for å bekjempe oljeforurensning er derfor en prioritert oppgave for meg. Vi har allerede gjennomført flere tiltak for å styrke beredskapen og sjøsikkerheten i nord, og som komiteen peker på, er oljevernforumet og kompetansesenteret i Vardø to av dem. Alt i alt har vi nå en forvaltningsplan som styrker sjømatnæringen, både gjennom å sikre fortsatt virksomhet ta vare på miljøet som ressursene er en del av, og ved å legge til rette for sameksistens med nye næringer. Denne meldingen er også et meget godt utgangspunkt for arbeidet med en ny stortingsmelding om sjømatnæringen, som jeg snart vil gå i gang med. La meg avslutte med å si at i dag er jeg dobbelt fornøyd og dobbelt glad. Både som nordlending og som fiskeri- og kystminister er jeg meget fornøyd med Stortingets Både som nordlending og som fiskeri- og kystminister er jeg meget fornøyd med Stortingets behandling og oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Dette gir absolutt framtidstro for oss som er så heldige å få bo i nord. Jeg la merke til at representanten Serigstad Valen kalte dette for en gledens dag. dag. Da forvaltningsplanen ble lagt fram, var Kristelig Folkeparti raskt ute og gratulerte SV og regjeringen med et godt vedtak. Den gratulasjonen står selvsagt ved lag. Men nå som vi har lest litt mer, har jubelen stilnet litt. Og jeg må si at SV har lagt mye – virkelig mye – i potten for å vinne seieren. Statsråd Solheim sa at han var glad for kritikk, og da skal han få litt av det i mitt innlegg. innlegg. Jeg har lagt merke til at det i denne saken er lagt inn nesten rubbel og bit av de områdene som grenser til Lofoten og Vesterålen. Gjennom den såkalte TFO-ordningen har alle de åpne blokkene i Nordland I, III, IV og V blitt lagt inn. Områder i Nordland V grenser også til Vestfjorden, og en vet at disse områdene er vel så sårbare som noen av områdene i f.eks. Nordland VII og Troms II, som ikke åpnes for konsekvensutredning. Et oljeutslipp her kunne fått like store konsekvenser som et oljeutslipp i de sårbare områdene utenfor Lofoten og Vesterålen. I den forbindelse ønsker jeg å minne om at daværende olje- og energiminister Åslaug Haga varslet evaluering av TFO-ordningen i 2007. Denne evalueringen er det nå varslet skal komme i oljemeldingen. Det er lenge siden 2007, men det virker for meg som om regjeringen har et ønske om å legge flest mulig av områdene inn i TFO-ordningen før evalueringen kommer, slik at de åpnes. Så vil jeg minne om et par forhold som representanten Hjemdal fra Kristelig Folkeparti også var innom. I denne saken går SV og Senterpartiet – sammen med Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet – inn for å fjerne de skjerpede utslippskravene til Det var én av de viktige miljøseirene Kristelig Folkeparti og Venstre hadde i Bondevik II. SV går inn for dette uten faglig begrunnelse. Det andre er at grensen for hvor det er tillatt å drive oljevirksomhet, flyttes 15 kilometer – fra 50 kilometer til 35 kilometer – utenfor kysten i Troms og Finnmark. Dette gjøres på tross av faglige råd om ikke å gjøre det. det. Jeg har mange ganger lurt på om det finnes noen grense for SV i miljøpolitikken. SV har ofret mange av Kristelig Folkepartis og Venstres miljøseire fra en tidligere periode, bare for å få en utsettelse av Lofoten–Vesterålen i kanskje ett til to år. Det betyr at en velger som er opptatt av miljøet, må stemme på partiet Kristelig Folkeparti eller partiet Venstre, for det virker for meg som alt de kan – bare for å vinne symbolseire, som dette faktisk er. Jeg er kanskje ikke den som skal minne om gamle dager. Allikevel vil jeg si at miljøseirene var iallfall større da Kristelig Folkeparti satt i regjering. Jeg er

Finnmark. Selv om Snøhvit har betydd mye for Hammerfest, kan man med mål som folketallsutvikling ikke si det samme om Hammerfests nabokommuner. For Måsøy er fiskeriene fortsatt den aller viktigste næringsveien, og i Kvalsund vil man i framtiden belage seg på bergverksindustrien når det gjelder Ved å ha to tanker i hodet på samme tid vekter man også det store flertallet av kommuner som har behov for en bærekraftig fiskeribestand. For meg er det derfor viktig at man hensyntar fiskeriene og gyteområdene til torsken. Det som bekymrer meg, er Fremskrittspartiets ensidige holdning til forvaltningsplanen og deres manglende evne til å ha to tanker i hodet på samme tid. Jeg registrerer at Fremskrittspartiet langt på vei ikke ønsker å lytte til fiskerinæringen og den delen av fiskeflåten som advarer mot aktivitet i de sårbare områdene. Fremskrittspartiets ensidige fokusering i denne forvaltningsplanen på oljeutvinning utenfor Lofoten og Senja mener jeg utfordrer en del av næringen og de kystsamfunnene som er avhengige av fiskeriene. Det er etter mitt syn ikke nok for en samlet landsdel kun å fokusere på oljeindustrien. Fiskeri og reiseliv, som miljøvernministeren trekker vil også i framtiden være svært viktig for de fleste små kommuner i Nord-Norge. Til slutt vil jeg peke på mulighetene for ny aktivitet som petroleumsnæringen vil gi, aktivitet som fordrer at vi stiller krav til ringvirkninger i regionen, og at det er svært viktig at eventuelle funn kommer befolkningen til gode i form av arbeidsplasser og nye kompetansemiljøer. Således klarer vi å ha to tanker i hodet på samme tid.

Nordnorsk reiseliv består i hovedsak av mange små virksomheter med liten inntjening. De fleste opererer også en kort sommersesong. Man får ikke ungdommen til å bosette seg i landsdelen for å jobbe deltid i en sterkt sesongbetont næring med liten inntjening, siden man dermed kanskje har jobb i bare to–tre måneder. Det må være noe mer; vi må ha flere bein å stå på. Det ene utelukker ikke det andre – heller tvert imot. Spør f.eks. hotellnæringen i Hammerfest om hva anlegget på Melkøya betyr for om hva anlegget på Melkøya betyr for dem! Eller som Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge, uttrykker det, at «all annen næringsvirksomhet» – og petroleumsvirksomhet – «er bra for reiselivsnæringen i Nord-Norge». Blant annet blir også dette sagt: «Det er ikke spørsmål om olje eller fisk, petroleumsindustri eller reiseliv. Flere ti-års erfaring har vist at petroleumsnæringen, med tilhørende leverandørindustri, lever i utmerket sameksistens med andre allerede etablerte næringer, ja at de heller styrker dem.» Nordområdene er satt høyt på den politiske dagsordenen. Dette – og ikke minst ringvirkningene vi har sett og fortsatt ser av Snøhvit-utbyggingen, Norne og i forbindelse med oppstart av Skarv, utenfor Helgelandskysten – har skapt optimisme og framtidstro i landsdelen. Etter vår oppfatning vil det være av avgjørende betydning for oss som vil arbeide og bo, at optimismen som og at vi nå ikke får en ytterligere utsettelse, dersom ikke uforutsette ting skulle dukke opp. Å videreføre denne optimismen vil være et viktig bidrag for å stoppe fraflyttingen fra området og gi ungdommen nye muligheter og lyst til å bli eller å vende tilbake til sin egen landsdel. Og så en ting helt til slutt: I mellomjula nå sist var jeg på et møte hvor det var 90 ungdommer til stede hvor det var 90 ungdommer til stede fra Mosjøen og Mo i Rana som vil tilbake til Helgeland – 90 stykker. Det var veldig bra. Men da må vi også ha noe å tilby dem av arbeid. Da mener ikke jeg at oljevirksomheten alene skal redde dem, men det må være et tillegg. Helt til slutt bare en saksopplysning: Hvis ikke jeg husker feil og får

Jeg har selv møtt nordlendinger med fartstid fra oljeindustrien som har advart mot å tro på løftene fra den samme industrien. Noen var i utgangspunktet sterke tilhengere av oljevirksomhet, men mente at oljevirksomhet her aldri ville komme Nord-Norge til gode – og i alle fall ikke småsamfunnene i Lofoten, Vesterålen og Senja. De var overbevist om at Sør-Norge ville stikke av med gevinsten. Flere utredninger tyder på at de har rett. Høyres profilerte politiker og nestleder Bent Høie har sagt det rett ut:

At ikke dette har fått langt større oppmerksomhet fra de ivrigste oljetilhengerne, er meg en gåte. Kanskje sverger man til OLF-direktør Gro Brekkens omskrivning av føre-var-prinsippet: Er du i tvil, si ja! Vi skal ta bekymringen for ungdommens framtid, bosetting og muligheter for arbeid i landsdelen på alvor. Vi har et klart ansvar for å bidra gjennom å stimulere til utvikling av bærekraftige arbeidsplasser. Det har vært utrolig moro å følge bedrifter som Lofotprodukt, Hydra Tidal og reiselivets vekst og store optimisme og deres stadig sterkere krav om å gi Lofoten verdensarvstatus.

Fugleliv, korallrev, sjøpattedyr, de unike økosystemene fortjener vår respekt og kløkt. Oljealderen vil ta slutt, men fisk trenger alle framtidige generasjoner. Ønsket om og behovet for rekreasjon, opplevelser og uberørt natur vil bare tilta i styrke. Reiselivet ser potensialet, og det bør vi også gjøre. Siden 2006 har det blitt gjort nye analyser med tanke på miljøkonsekvenser og risiko ved akutte oljeutslipp i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er utarbeidet flere utslippsscenarioer og analyser av miljørisiko knyttet til akutte utslipp ulike steder i disse havområdene. Resultatene viser at økende varighet av et eventuelt akutt utslipp

ha en mer begrenset utholdenhet ved omfattende strandrensingsaksjoner enn ellers i landet. Dette må vi ta høyde for. Kysten i planområdet er samtidig av en slik karakter at det er mange områder der det er vanskelig å sette inn personell for strandrensing – områder som også er vanskelig tilgjengelige fra sjøsiden. Alt dette tatt i betraktning mener Kristelig Folkeparti at regjeringens forslag til nye tiltak som ligger i planen for beredskap mot akutt forurensing i forvaltningsområdet, er for lite konkret og for lite forpliktende. Tiltakene står ikke i forhold til de utfordringer som vil følge av åpning for økt petroleumsaktivitet i disse områdene. Vi vet også at kystlinjen i Nordland – særlig på Helgeland – er svært komplisert. Nordland har 34 pst. av Norges territorialfarvann, og store områder her er grunnere enn 20 meter. Nordlandskysten har en smal og grunn sokkel med mye skjærgård, der det kreves en helt annen type beredskap enn f.eks. på Finnmarkskysten. Dette fikk vi belyst på vår komitéreise til Lofoten denne våren. Vi besøkte Nordlense, og dette ble understreket med: Ja, vi har kompetanse, men det er utfordrende. Kristelig Folkeparti ser det slik at det er svært og den må ses i sammenheng med nordområdesatsingen. Jeg mener at det ligger til rette for at Nord-Norge kan ta en sentral posisjon både internasjonalt og nasjonalt med tanke på oljevernberedskap og utvikling av den.
debatt om petroleumsloven tok en interessant vending da representantene Arnesen og Strøm kom med sine dårlig skjulte hjertesukk om partier som den ene dagen er for ringvirkninger, og den neste dagen går imot å gi industrien tilgang til nye lovende havområder. Jeg forstår dette som en kritikk av regjeringspartnerne SV og Senterpartiet og stor frustrasjon over at Arbeiderpartiet er satt sjakkmatt i det viktige spørsmålet knyttet til åpning av nye områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Barentshavet derimot har SV og Senterpartiet paradoksalt nok sagt ja til, og de samme to partiene har gitt klarsignal til å forlate bestemmelsene om nullutslipp. Det er vanskelig å se logikken i slike politiske manøvre. Ved behandlingen av den første forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet ble det skapt et klart inntrykk av at planperioden skulle benyttes til datainnsamling for å gi Stortinget man trengte for å gå videre med en konsekvensutredning av sokkelområdene utenfor Nordre Nordland og Sør-Troms. Da vi så hvordan saken utviklet seg til en kamp på liv og død innad i regjeringen foran stortingsvalget i 2009, visste vi at løpet i realiteten var kjørt. Arbeiderpartiet ofret konsekvensutredningen og har i realiteten utsatt en sårt tiltrengt aktivitetsvekst i en region preget av stagnasjon og tilbakegang.

Høyre vil derfor satse på en moderne og fremtidsrettet oljevernberedskap, tilpasset vær og klima i nord. Et løft for oljevernet vil dessuten bety skjerpet beredskap i tilfelle skipsforlis, som per i dag er den reelle og største miljøtrusselen. Regjeringen peker på nordområdene som regjeringens strategiske interesseområde og har bygget opp høye forventninger hos befolkning, leverandørindustri og andre næringsinteresser i nord. Men i dag er det et sannhetens øyeblikk, da mange skuffet må innse at de ble vinket av i siste sving og like før målpassering.
I 2001 ble leteboring utenfor Lofoten i Nordland VI stoppet av daværende miljøvernminister. Protestene hadde blitt sterke. Det viste seg at boringen den gangen ikke var forberedt tilstrekkelig med grundige og faglige vurderinger, og heller ikke hadde tilstrekkelig legitimitet i offentligheten. Det kom et massivt krav om at det måtte gjennomføres konsekvensutredninger, og at vi måtte få en forvaltningsplan for området for at aktiviteten kunne fortsette. Sem-erklæringen samme høst og Bondevik II-regjeringen var et gjennombrudd for forvaltningen av havmiljøet i Norge. Der kom det krav om konsekvensutredning av helårig petroleumsvirksomhet i nord. Det ble også varslet en helhetlig forvaltningsplan for de nordlige havområdene. Det har medført et konstruktivt samarbeid på tvers av sektormyndigheter over mange år, nettopp for å sikre en god havmiljøforvaltning. Det har også medført en politisk diskusjon i en ny ramme om de veivalgene som skal gjøres i havmiljøene i nord. På tvers av sektorer er det laget en helhetlig forvaltningsplan, der en økosystembasert tilnærming er grunnlaget for de politiske avveiningene som skal gjøres. Men det faglig gode grunnlaget fratar ikke politikerne ansvaret for å fatte de endelige beslutningene og gjøre de endelige avveiningene mellom ulike hensyn. Et av de viktigste grunnlagene er ydmykheten for det ansvaret vi har når vi forvalter havmiljøet, og det ansvaret vi har overfor kommende generasjoner, ikke minst ydmykhet overfor alt det vi ikke har kunnskap om, og kanskje heller aldri kommer til å få kunnskap om når det gjelder de kompliserte sammenhengene i økosystemet i havet. Det er fortsatt akutte utslipp som er den største utfordringen knyttet til petroleumsaktivitet i havområdene våre. Det er vanskelig å se gode begrunnelser for å forlate 50-kilometersbeltet i kystsonen langs Troms og Finnmark med hensyn til petroleumsvirksomhet. Det er merkelig å se SV, som den gangen dette arbeidet startet, var i opposisjonen – aggressiv opposisjon – mot det Bondevik II-regjeringen gjorde, og det er vanskelig å se den faglige og miljøpolitiske begrunnelsen for det og miljøpolitiske begrunnelsen for det som nå skjer. Man må jo spørre seg om det når man hører representanten Thorkildsen, som nærmest fraskriver oljeindustrien ansvar, mens regjeringen står for en rekord i utdeling av utvinningstillatelser. Som lofotværing er

som det er gjort her i salen i dag. Lofoten er en av spydspissene i norsk reiseliv, og der det største torskefisket i verden foregår. Nedgang i folketall er jo ikke unikt i dette landet. Og det er det heller ikke for Lofoten, som Det gjør man stort sett over hele landet, med få unntak. Representanten fra Finnmark sa at det er ikke slik at de perifere kommunene vil få vekst på grunn av en eventuell oljevirksomhet. Som eneste representant fra Lofoten og Vesterålen er det vel naturlig at jeg tar ordet i denne saken. Flere har i dag snakket om de sårbare områdene generelt, men Lofoten spesielt. men Lofoten spesielt. Men hva ligger i ordet sårbar – sårbar for oljesøl, forurensing? Etter mitt syn er det toget kjørt for lenge siden. Det er åpnet for virksomhet like sør og nord for disse områdene. Hvorfor har man ikke hatt det samme engasjementet når felt har blitt åpnet nær disse sårbare områdene? Et utslipp lenger sør for oss på Helgeland kan ha store konsekvenser for Lofoten. Det kan fylle Vestfjorden. Det som jeg vet blir det mest krevende i dette området, Lofoten og Vesterålen, er den smale sokkelen – uten tvil – en sokkel som er belagt med fiskeplasser, og som er gyteplass for mange fiskeslag, spesielt for skreien. Det er viktig å sikre at fiskeri og andre næringer blir ivaretatt på en best mulig måte i arbeidet framover, ikke minst ved at arbeidet blir lokalt at vi får gode prosesser. Det er viktig med en kunnskapsbasert tilnærming for en god forvaltning av disse områdene. Det er viktig å få svar på om det er mulig med sameksistens med næringslivet generelt, og ikke minst med fiskerinæringen. Det blir krevende, men etter mitt syn er det ikke helt umulig. Uansett vil det kreve spesielle kjøreregler for disse områdene, sett i forhold til de

nå. Både oljenæringen og leverandørindustrien er i god vekst, og man ser positivt på framtiden. Representanten Aspaker burde derimot se tilbake på tiden under Bondevik II-regjeringen, hvor det skjedde langt mindre, og hvor Høyre sammen med Kristelig Folkeparti og så greit med sin politikk. Derfor skjedde det relativt lite i den tiden. Jeg står trygt bak den linjen den sittende regjering har i denne saken, men jeg vil ha framdrift, og dette oppfatter jeg at et stort flertall av befolkningen er enig med meg
Ketil

brukes i en konsekvensutredning ganske kjapt. Det betyr også at vi sparer tid. Hvis man lytter til industrien og lytter til dem som har vært med på dette framover i forhold til forvaltningsplanen og høringsrundene, er det veldig godt mottatt. Det blir historieforfalskning når man sier at næringslivet ikke drar nytte av det. Det er stor aktivitet på Helgeland, det er stor aktivitet langs kysten, og det er mange som er involvert i dette som skal skje langs denne aksen nå. Så det ble veldig godt mottatt. Når det ikke ble en konsekvensutredning, er i hvert fall en kunnskapsinnhenting et godt bidrag til at man kom fram til en god løsning. Og en må jo ha et kjempeproblem innen Høyre når det gjelder forholdet til Venstre og Kristelig Folkeparti. Jeg synes denne debatten avslører og illustrerer problemene internt i regjeringen. Riktignok er

Vi må få det inn på de formelle områdene for å kunne ta neste skritt. Og så ser man hvordan partipisken svinges, og representantene for denne regionen står lojalt bak regjeringen og snakker om at det betyr ikke noen ting hva det heter, det viktigste er at en gjør en kunnskapsinnhenting. Faktisk, formelt sett, betyr det noe om den kunnskapsinnhentingen har tittelen «konsekvensutredning» på toppen eller ikke. Det har det. Så kan man godt prøve å snakke seg vekk fra det, men realitetene endrer seg ikke selv om man har et behov for å forsvare at en ikke fikk gjennomslag internt i sin egen regjering. Jeg konstaterer at SV fastholder at de i 2013 ikke kommer til å være for en konsekvensutredning. Det betyr for velgerne som ønsker å få virksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, at skal vi få nytte den kunnskapsinnhentingen som nå blir gjort, må de stemme på Fremskrittspartiet eller Høyre. Hvis de vil at intet skal skje, kan de stemme på Arbeiderpartiet eller de andre rød-grønne partiene. Jeg drar også parallellen tilbake til da vi behandlet oljemeldingen i juni 2004. Da var situasjonen motsatt. Da ba Bondevik-regjeringen om å få lov til å foreta tre prøveboringer, og avvente resultatene av innholdet i disse før en tok en beslutning. Da var Arbeiderpartiet veldig klar på at: Nei, det var ikke vits i å vente på sånn kunnskap. Her var det bare å sette i gang, for nå måtte en komme videre. Sylvia Brustad, som da var talsmann for Arbeiderpartiet, sa dette handler jo bare om indremedisin i Bondevik-regjeringen. Så får Arbeiderpartiet selv makt, og de er ikke villige til eller evner ikke å bruke den. Det er deres problem. Vi har et klart alternativ, og har argumentert godt for det. Så blir jeg litt oppgitt over retorikken til SV, spesielt miljøvernministeren, når han gir et inntrykk av at alle løsninger for Fremskrittspartiet når det gjelder næringsvirksomhet i Nord-Norge, handler om olje. Nei, det gjør det ikke, men olje er en av de viktige næringsløsningene. Men se nå likevel på realitetsforskjellene mellom det som Fremskrittspartiet argumenterer for og det som SV argumenterer for. SV har jo, prisverdig, kommet Fremskrittspartiet fryktelig langt i møte. Det trodde ikke jeg jeg skulle si på denne talerstolen da jeg var i valgkamp med Hallgeir Langeland i 2005 og 2009. Men SV støtter jo nå alle oljeprosjekter i nord, bortsett fra Lofoten og Vesterålen. Men Lofoten og Vesterålen er jo i SVs øyne så marginalt på ressurser at det betyr ingenting, ergo i volum er vi like. Det da å kjefte på Fremskrittspartiet som om SV er veldig forskjellig, er jo bare fjas. Så jeg gleder meg over SVs vandring, og ønsker dem velkommen til gode oljemesser i Stavanger i mange år framover. framover. Representanten Lillian Hansen var kritisk til at Lofoten-området ble fremstilt som stusslig. Jeg har lyst til, i hvert fall fra Høyres side, å si at vi oppfatter ikke Lofoten-området som å være stusslig. Men ingen kan på en måte se vekk fra befolkningsutviklingen, utviklingen i demografi, som gjør at dette området har en del utfordringer der vi fra Høyres side ser at en åpning av området utenfor for olje- og gassaktivitet vil kunne føre til en helt annen optimisme i disse lokale områdene. Så til representanten Bendiks H. Arnesen, som sier at det aldri har vært større aktivitet på norsk sokkel enn det som er tilfellet i dag. Jeg forstår at representanten tappert for det som er regjeringens syn i forhold til konklusjonen rundt konsekvensutredning, men den aktiviteten som er på norsk sokkel i dag, er der takket være tidligere politisk fattede beslutninger mange år tilbake i tid. Det som er vår kritikk når det gjelder spørsmålet om konsekvensutredning og at regjeringen går for en utsettelse, regjeringen går for en utsettelse, er at man ikke i dag tar grep som sikrer at vi både er i stand til å opprettholde aktivitet når vi kommer til 2018 og 2020, og at vi er i stand til å sende tydelige signaler til Europa og andre viktige markeder om at Norge skal levere volum ikke minst innenfor gass, i flere tiår fremover. Den unnfallenheten som regjeringen her viser, kommer dette landet og vår industri til å måtte betale for når vi kommer til 2018 og 2020 og senere enn det. Derfor hadde vi fra Høyres side forventet og håpet at regjeringen var i stand til å ta et bedre grep for å utnytte det ressurspotensialet som ligger utenfor Lofoten og Vesterålen. Derfor er vi også litt skuffet over det som det ligger an til at flertallet i denne sal fatter vedtak om i dag når det gjelder å utsette spørsmålet om konsekvensutredning. Til representanten Tor-Arne Strøm, som mener at Høyre må ha store problemer med Kristelig Folkeparti og Venstre i disse spørsmålene, vil jeg igjen si at Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre har vist at vi er i stand til å finne gode løsninger. Noe av det første vi gjorde under Bondevik II-regjeringens tid, var å gi et klarsignal til utbyggingen på Snøhvit, med alle de gode ringvirkninger dette har hatt lokalt, og som også representanter fra bl.a. Senterpartiet, som faktisk var imot Snøhvit-utbyggingen, i dag står og roser opp i skyene.

Mens ingen fra SV er oppe her for å forsvare hvorfor de kan akseptere salgene de svelger av alle miljøseirene som Kristelig Folkeparti og Venstre hadde i Bondevik II, samtidig som en også velger å åpne mange sårbare områder i denne

på oljemesse i Stavanger. Jeg har deltatt på slike messer. Jeg var sågar nettopp og åpnet en slik messe i Ghana, nettopp for å kunne legge til rette for en olje- og gassnæring som driver på en miljømessig forsvarlig måte. Men den behøver ikke å bore absolutt alle steder. Og dersom det er ett område langs kysten som det må være mulig å la være å åpne, så er dét det mest sårbare området sett fra et miljøståsted, nemlig Lofoten og Vesterålen. Men vi har også en olje- og gassnæring, og ja, reiseliv – jeg forundrer meg over at Høyre snakker ned reiselivets betydning i stedet for å se hvor viktig reiselivet er – og ja, en fiskerinæring, som er den viktigste kulturbæreren langs kysten, men alt dette innenfor en miljømessig forsvarlig ramme. Men det som likevel gjenstår som det store paradokset i debatten, som det må være lov å påpeke – jeg skjønner at Høyre og Fremskrittspartiet blir sure for det – er at Høyre og Fremskrittspartiet i replikker til SV har brukt denne debatten til å hamre på at SV har overkjørt Arbeiderpartiet når vi har kommet fram til et nasjonalt kompromiss, og i replikker til Arbeiderpartiet sier at Arbeiderpartiet har blitt overkjørt av SV og Senterpartiet når vi har kommet fram til et nasjonalt kompromiss. Og så sies det fra Solvik-Olsens side at hvis man ønsker rask igangsetting av olje- og gassvirksomhet etter valget i 2013, må man stemme på Høyre og Fremskrittspartiet. Da må jo det bety ett av to: Enten betyr det at Høyre og Fremskrittspartiet ikke har tenkt å invitere Kristelig Folkeparti og Venstre inn i en regjering, eller det betyr at Fremskrittspartiet og Høyre ikke har tenkt å ta hensyn til oppfatningen Nå har taler etter taler fra Kristelig Folkeparti i denne saken sagt at de er 99 pst. enige med regjeringen. De er enige med regjeringen i at vi trenger et nasjonalt kompromiss. De er enige med regjeringen i at vi ikke skal åpne for olje- og gassvirksomhet i Lofoten og Vesterålen. Hører ikke Høyre og Fremskrittspartiet hva de sier? Vil de ikke høre hva Kristelig Folkeparti og Venstre sier? Eller har de bare tenkt glatt å overkjøre Kristelig Folkeparti og Venstre i en slik regjeringsdannelse? Dette må det være lov å påpeke, og vi må kunne få et svar. Er svaret at man har tenkt å gå i regjering uten Kristelig Folkeparti og Venstre, eller er svaret at man har tenkt å overkjøre Kristelig Folkeparti og Venstre eller ikke høre på hva de sier og ikke regne dem som selvstendige partier med en egen oppfatning? Ketil

Men akkurat som denne regjeringen av og til fristiller hverandre, så er det faktisk en mulighet. Vi kommer til å respektere Kristelig Folkeparti, og jeg er sikker på at Kristelig Folkeparti og Venstre kommer til å respektere hvor det store flertallet ligger. Jeg er også overbevist om at når en Fremskrittsparti–Høyre-regjering i 2013 fremmer forslag i denne sal om at en skal begynne med en konsekvensutredning, så kommer veldig store deler av det forliket som Solheim påstår er i denne salen, til å støtte det forslaget. Derfor bekymrer det meg ikke på en

og det sårbare naturområdet i Lofoten, Vesterålen og Senja er trygge, og man kan føle seg trygg hvis Kristelig Folkeparti er i regjering etter 2013. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 2. La meg først få lov til å takke komiteen for konstruktivt arbeid underveis i

Riksrevisjonen mener at retten til spesialundervisning i opplæringsloven § 5-1 er den mest sentrale rettighetsbestemmelsen i loven. De som skal innrømmes spesialundervisning, er de elevene som ikke får et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. Problemstillingene som er undersøkt av Riksrevisjonen, er i hvilken grad elever med særskilte behov sikres et likeverdig opplæringstilbud, og i hvilken grad Kunnskapsdepartementet legger til rette for at kommunene tilbyr elever med særskilte behov likeverdig opplæring. Undersøkelsen avdekker at det er betydelige svakheter i etterlevelsen av saksbehandlingsreglene for spesialundervisning og ved tildeling, planlegging og oppfølging av spesialundervisning. I dag er det om lag 8 pst. av elevene i grunnskolen som får spesialundervisning. Det er store variasjoner mellom kommunene i andel elever med spesialundervisning, og komiteen er bekymret over det faktum at samtlige fylkesmenn som er intervjuet i undersøkelsen, mener at økonomiske hensyn har betydning ved tildeling av spesialundervisning. Det kan bety at elever som objektivt sett har behov for og rett til spesialundervisning, likevel ikke får det av økonomiske årsaker. Komiteen peker på at en kommune ikke kan avslå krav om spesialundervisning med den begrunnelse at det ikke er midler til det. Det er sannsynlig at prosessen frem til et enkeltvedtak om spesialundervisning er lang og tung for mange. Etter at denne saken ble lagt frem, er jeg blitt kontaktet av ganske mange foreldre som har mange og ulike historier om lang ventetid og en vedvarende kamp for å oppnå rett til spesialundervisning og deretter å beholde omfanget av den etter at vedtak er fattet. Riksrevisjonen har funnet ut at 70 pst. av PP-tjenestene har ventetid på mer en tre måneder. 25 pst., altså én av fire, har en ventetid på over seks måneder. I tillegg kommer den tiden det tar før en faktisk søker om spesialundervisning, og tiden etter vedtaket før gjennomføring. Komiteen finner det kritikkverdig at saksbehandlingstiden for sakkyndigvurderingen er for lang, og ber departementet vurdere forslag om lovfesting av maksimal behandlingstid. Komiteen finner det videre kritikkverdig at det foreligger mangler ved veldig mange enkeltvedtak og individuelle opplæringsplaner. Komiteen kritiserer også den manglende rapporteringen på området. Komiteen mener videre at Kunnskapsdepartementet har et ansvar for å sikre at nasjonale føringer følges opp. opp. I den sammenheng viser komiteen til Meld. St. 18 for 2010–2011 hvor dette til en viss grad er fulgt opp, men komiteen går ikke videre inn i de konkrete punktene i den stortingsmeldingen og viser til behandlingen i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Innstillingen fra komiteen er for øvrig enstemmig på alle punkt. Jeg lar det nå For det første er det en stor utfordring at elever som har rett til spesialundervisning, opplever at det er svært krevende å få denne rettigheten oppfylt, ikke bare fordi det tar lang tid, men også fordi de opplever å bli motarbeidet av skolen og kommunen under prosessen. I tillegg har det visstnok blitt et problem at en rettighet som er blitt gitt, nær sagt blir bestridt i det påfølgende skoleåret fordi det er pålagt budsjettkutt ved skolen. Det betyr altså at elever som har fått rett til spesialundervisning, må gå nye runder for å beholde denne retten. Det er etter min oppfatning alvorlig og et brudd på opplæringslovens bestemmelser om rett til spesialundervisning. Foreldre og elever som opplever dette, må ikke gi seg. De må selvfølgelig benytte både klageadgang og fylkesmann, og gjerne også lokale skoleombud eller legge press på statsråden gjennom egne stortingsrepresentanter, for det er nødvendig å opprettholde et fokus på at en rett som er gitt, faktisk skal beholdes inntil retten bortfaller fordi det ikke lenger er behov for denne. Det er ikke akseptabelt at de elevene med størst behov, er de som prioriteres lavest. Det andre poenget er at en neppe kan løse alle disse utfordringene bare ved å innføre tidsfrister. Det er behov for mer kompetanse og ikke minst mye raskere innsats. For en del år siden adopterte Norge begrepet «tidlig innsats». Hensikten var at en tidlig skulle avdekke behov for særlig tilpasning, og gi elever bistand til å sikre at de fikk fylt opp kunnskapshull og særskilte behov så raskt som mulig, for deretter å bli tilbakeført til ordinær, tilpasset opplæring så Dette skal selvfølgelig bare gjelde for de elevene det er gjennomførbart for. Det er et mangfold av elever som får rett til spesialundervisning, og det er noen som må ha det gjennom hele skolegangen av helsemessige årsaker. Men alle de andre må tilstrebes tilbakeført i ordinær opplæring. Da er retten til rask gjennomføring helt avgjørende for om det kan bli vellykket eller ikke. Det er svært alvorlig når en opplever at det heller ikke er tilstrekkelig kontroll med utbyttet eleven har av spesialundervisning. En følger altså rett og slett ikke opp om eleven har det utbyttet som en forventer av spesialundervisningen, og en kan undre seg over årsaken til det. Det må være en selvfølge at det skal foretas kontroll av effekten spesialundervisningen og opplæringen har. Det må settes målkrav og forventninger til faglig gjennomføring for alle elever som får spesialundervisning, og en må undersøke læringsutbyttet underveis. At kommunene er for dårlige til å følge opp dette, er veldig alvorlig, går ut over de mulighetene som disse elevene har. Til slutt må jeg kommentere kort en årelang kamp som dette hus, egentlig samlet, har ført mot reproduksjon av sosiale forskjeller i skolen. Selv om en har rettet en viss innsats for å forhindre at skolen skal reprodusere forskjeller, ser vi at det fortsatt er den klare hovedregelen. Én av årsakene kan en antakelig finne i at kommunene er for trege til å gi elevene det skoletilbudet de har krav på, å sikre retten til et likeverdig, inkluderende og tilpasset opplæringsløp. Det er et problem som en må ta ytterligere på alvor i dette hus, helt uavhengig av partifarge. La meg først få takke saksordføreren, som

i store deler av den tiden vi har behandlet Dokument 3:7, også Meld. St. 18, Læring og fellesskap, fra Kunnskapsdepartementet. Og jeg vil vel mene at de viktigste temaene som er tatt opp i Riksrevisjonens dokument, etter hvert er omtalt og behandlet i Meld. St. 18. Så vidt jeg forstår, men det vil sikkert representanter for kirke-, utdannings- og forskningskomiteen understreke etterpå, er det slik at kirke-, utdannings- og forskningskomiteen har behandlet, og lagt fram i salen i dag, en liten del av Meld. St. 18, mens det som i stor grad berører de temaene som er tatt opp i kontroll- og konstitusjonskomiteen, vel skal behandles til høsten. Grunnlaget for vår skolepolitikk er prinsippene om fellesskolen, alles rett til en tilpasset opplæring i et samordnet felles skolesystem basert på nasjonale standarder og jevn fordeling av ressurser, med lokale variasjoner og ivaretakelse av elevenes individuelle og tilpassede behov. Fellesskolen er også en møteplass for barn fra ulike miljøer, etniske grupper og sosiale lag. Dette er helt vesentlig i et stadig mer mangfoldig samfunn eller for å sitere de aller første setningene i Meld. St. 18, Læring og fellesskap, fra statsråd Halvorsen: «Det norske utdanningssystemet er felles for alle og binder oss sammen. Det er forankret i tradisjoner og felles verdier og skal ruste oss for fremtiden.» Tilpasset opplæring er de tiltak skolen setter inn for å sikre at elevene får best mulig utbytte av opplæringen. Tilpasset opplæring handler om å skape god balanse mellom evnene og forutsetningene til den enkelte elev og fellesskapet. Så er det slik at elever som ikke har – eller ikke kan få – tilfredsstillende utbytte av opplæringen, som også saksordføreren understreket, har rett til spesialundervisning etter I inneværende skoleår har nærmere 5 000 elever enkeltvedtak om spesialundervisning. Det er en del unger, det. Det er 8,4 pst. av alle elever. Før kommunene fatter vedtak, skal det foreligge en sakkyndig vurdering av elevenes særskilte behov. Det skal gjøres av den lokale Utdanningsdirektoratet mener at saksbehandlingstid over tre måneder er for lang tid. Dette sier en samlet komité seg enig i. Departementet deler også det synspunktet i sine merknader til Riksrevisjonens rapport. Det kommer for så vidt også klart fram i Meld. St. 18 at regjeringen vil sette i verk tiltak mot Komiteen ber for øvrig i merknadene departementet vurdere lovfesting av maksimal behandlingstid. La meg så understreke at det heller ikke i dag er fritt fram for kommunene til å bruke så lang tid de vil. Loven gir elever rett til spesialundervisning, noe som må etableres i løpet av rimelig tid. Det må naturligvis også få konsekvenser for saksbehandlingen. Dette er altså en rett som er gitt elevene, og jeg vil understreke det som saksordføreren sa, at de som har fått denne retten, må naturligvis få den hjelpen de trenger. Det må ikke være slik at de sakker akterut, og det må ikke være slik at de faller ut igjen, slik at foreldrene må streve på nytt for å komme inn i et vanskelig system. Det skyldes ikke minst at det er veldig viktig at det er veldig viktig at de samme elever etter at de har vært i spesialundervisning en stund, blir integrert i den ordinære, tilpassede undervisningen. Det vil jeg understreke så sterkt jeg kan. En god del av de svakheter som Riksrevisjonens rapport peker på, er tatt opp i Meld. St. 18. Og som jeg sa innledningsvis, vil størsteparten av den meldingen bli behandlet av fagkomiteen til høsten. meldingen foreslås det en rekke tiltak for å styrke tiltakskjeden. Kunnskapsdepartementet vil også iverksette programmet Vi sprenger grenser, et tiltak for å øke forventningene, bevisstheten og kompetansen om læring og utvikling til elever med større sammensatte lærevansker og utviklingshemninger. Som jeg sa, siden meldingen og dokumentet kom nesten samtidig, vil de viktigste temaene knyttet til dokumenter fra Riksrevisjonen bli behandlet av fagkomiteen. Det er kirke-, utdannings- og forskningskomiteen som må foreslå de konkrete tiltakene og legge fram konkrete forslag. Det er ikke kontroll- og konstitusjonskomiteens ansvar eller Helt til slutt: Målet må fortsatt være at flest mulig elever skal tilbys undervisning innenfor den ordinære, tilpassede opplæringen. Å møte alle elever med respekt innebærer å legge til rette for at alle elever opplever skolehverdagen som meningsfull. Det vil si at opplæringen skal være tilpasset den enkelte elev. Meld. St. 18 er et viktig dokument i så måte og en god oppfølging av Riksrevisjonens dokument.

Riksrevisjonen har påpekt – og har – ganske mange kritiske merknader til hvordan spesialundervisningen fungerer i dag, eller rettere sagt ikke fungerer. Tatt i betraktning de over 50 000 elevene dette angår hver dag, og de store midlene, anslagsvis 6–8 mrd. kr, som bevilges til dette formålet, så stor grad bidrar til å reprodusere sosiale forskjeller. Det har lenge vært et viktig politisk mål å sikre skolen muligheter til å utjevne sosiale forskjeller, historie og ballast ikke skal være avgjørende for den muligheten de skal ha til å strekke seg og til å kunne oppnå maksimalt utbytte av den opplæringen de tilbys. Retten til individuell opplæring og spesialundervisning er derfor avgjørende viktig for å sikre at barn får så like muligheter som overhodet mulig i livet sitt. Riksrevisjonens påpekninger viser at vi dessverre ikke har lyktes i av spesialundervisningen i den grad vi burde. Flere har vært inne på at om lag 8 pst. av elevene i grunnskolen får spesialundervisning. Riksrevisjonen har jo på nytt dokumentert det vi vet, at omfanget av spesialundervisning varierer på en uforklarlig måte mellom kommuner, og at det tydeligvis er svært ulik praksis, til tross for at elevene i utgangspunktet er utstyrt med de samme rettigheter. Det er en utfordring at kommunene tolker, forstår eller anvender loven så forskjellig. Riksrevisjonen viser også at ulikhetene bare har økt i de senere årene. Dette er forhold som er alvorlig og betenkelig, og som Høyre derfor mener departementet må gå nærmere inn i. Opplæringsloven er klar på at en kommune ikke kan avslå krav på spesialundervisning ut fra en økonomisk begrunnelse. Dette er en rettighet eleven har uavhengig av kommunens budsjett. Fylkesmennene har likevel påpekt, når de har vært intervjuet av og i dialog med Riksrevisjonen,

Riksrevisjonens undersøkelse har også avdekket at saksbehandlingsfristene er urovekkende lange og må sies å være langt utover det som kan karakteriseres som forsvarlig. Når det før vedtak om spesialundervisning skal foreligge en sakkyndig vurdering i regi av PP-tjenesten, og når behandlingstiden for 70 pst. av sakene er mer enn tre måneder og for 25 pst. er mer enn seks måneder, at mange unger må vente altfor lenge på svært viktig hjelp. Det kan bety at de sitter dag etter dag i klasserommet og ikke har det utbyttet av opplæringen som de skulle hatt. Kontroll- og konstitusjonskomiteen har merket seg, og sagt seg enig i det, at Utdanningsdirektoratet sier at en saksbehandlingstid på over tre måneder er for lang. Så her er det et stort forbedringspotensial over hele og her må det gjøres noe. Så problematisk har komiteen ansett saksbehandlingstiden for å være at man faktisk i samlet flokk har bedt departementet gå inn og vurdere om man bør lovfeste en maksimal saksbehandlingstid. Det må vel kunne karakteriseres som et slags ris bak speilet i så måte.

for å henge bjella på katta og løfte fram denne problemstillingen på den måten det nå er gjort. Komiteen har også merket seg at det i Riksrevisjonens undersøkelse stilles spørsmål ved om Kunnskapsdepartementet i tilstrekkelig grad har ivaretatt sitt overordnede ansvar for at bruk og videreutvikling av virkemidler bidrar til at elever med spesielle behov gis et likeverdig grunnskoletilbud. Her er det altså grunn til å spørre om ansvaret på flere nivå er ivaretatt på en god nok måte. Jeg vil vise til representanten Nybakk, som har helt rett i at dette problemkomplekset vil Stortinget komme tilbake til i sin fulle bredde til høsten når vi skal behandle den tid det faktisk er en samlet kontroll- og konstitusjonskomité som har stilt seg bak merknaden om å be regjeringen om å vurdere en lovfesting av saksbehandlingstiden, og faktisk be henne om å kommentere hvordan hun tenker seg at departementet og regjeringen kan følge opp den henstillingen fra Stortinget. Her er det åpenbart en lang vei å gå, og det må antakelig kraftigere lut til enn det vi rår over i dag av virkemidler, for å sikre oss at denne viktige retten til norske elever faktisk kan innfris.
blir replikkordskifte. Det var berre den uroa som Høgre har for at skulen reproduserer sosiale forskjellar, eg gjerne ville utfordra Aspaker på. Om det var ei reell uro, ville vel Høgre ha jobba for at det blei mindre forskjellar i samfunnet og i skulen? Og då ville ein ikkje ha fremma privatskuleløysingar, som ville føra til at det verkeleg blei store forskjellar i tilboda og dermed reproduksjon av dei sosiale forskjellane. Så eg lurer litt på korleis dette heng i hop – om ein no er blitt einige med dei raud-grøne om at me skal ha ein sterkare offentleg skule, om ein har gått vekk frå dei privatskuleløysingane som verkeleg får fart i forskjellane i

Det er kanskje snarere sånn i en del tilfeller at de private skolene og elevene der gjør det bedre enn de i den offentlige skolen. Så jeg tenker at retten til å ha et privatskoletilbud fortsatt skal være der, men vi må konsentrere oss over hele linjen – og i særdeleshet i forhold til den offentlige skolen der 97 pst. av elevene går – for å oppfylle de rettighetene som elevene har, og for å gi dem et tilstrekkelig og godt opplæringstilbud. Ingen nye tonar altså.

om tilrettelegging av spesialundervisning er faktisk veldig ofte – i hvert fall det jeg kjenner til her i Oslo – en grunn til at foreldre velger en annen skole. Da kommer vi tilbake til foreldres rett til å velge noe annet enn det offentlige, som er den grunnleggende menneskerettigheten som er Venstres utgangspunkt for friskolepolitikken. Det er også et lite varsku om at spesialundervisningen ikke alltid fungerer godt i den offentlige skolen. skolen. Det er et varsku om måten vi organiserer den på. Den katolske St. Sunniva skole har jo vært en av de største muslimske skolene i Oslo i perioder, fordi den er veldig god når det gjelder tospråklighet. Det er en skole som er opprettet for italienere som innvandret til Norge rett etter århundreskiftet. ble veldig god på det å undervise elever som har norsk som andrespråk – så god at veldig mange foreldre som innvandret til Norge, også med annen språkbakgrunn enn italiensk, valgte skolen fordi den var god på akkurat det. Spesialundervisning er en god innfallsport til diskusjonen om friskoler fordi så mange velger det på i dag. Det er ekstremt byråkratisk. Vi har en byråkratisk prosess som for det første bruker fagfolk på papir, og for det andre bare fokuserer på det negative hos som ønsker mest mulig ressurser til sin elev – og som virkelig skjønner at eleven trenger hjelp – må vise at eleven trenger mye hjelp, og da må det argumenteres med alt som går galt. Det er en grunnleggende destruktiv tone å bruke overfor elevene, mener jeg. Det andre er at det tar lang tid. Det tredje er at for noen foreldre er det en kamp for en diagnose, men for andre foreldre er det en kamp mot diagnose. Det å tro at det ene eller det andre løser dette, er ikke riktig. Jeg tror at vi ikke skal ha et så sterkt fokus på diagnoser som vi har hatt i spesialundervisninga fram til nå, for av og til har det forkludret hjelpen like mye som det har hjulpet. Det siste er kompetanse. Venstre har en kampanje nå, der vi i løpet av noen uker skal besøke 700 skoler – og vi er snart i mål. Vi skal ha oppsummering til helga.

er kanskje den aller, aller største utfordringa vi står overfor i spesialundervisninga. Mange opplever spesialundervisning som stigmatiserende. Jeg har snakket med mange som jeg – f.eks. i min klasse – ikke husket fikk spesialundervisning, men bildet av at man sjøl ikke var god i matte, var noe man hadde med seg gjennom hele utdanninga, på grunn av det året man fikk litt ekstra hjelp.

Det vi diskuterer her i dag, er jo en riksrevisjonsrapport som er ganske dramatisk, både når det gjelder saksbehandlingsbrudd, og de andre tingene som man påpeker. Så sa Elisabeth Aspaker at kommunene har dårlig internkontroll. Nei, det er ikke sånn jeg oppfatter det. Når jeg snakker med Venstres kommunestyrerepresentanter, er dette ett av de tallene som de først har på tungen, og som de gjerne vil gjøre noe med. De vet alle sammen om fristbruddene innenfor egen kommune

og så differensiere mellom dem som trenger litt hjelp, og dem som har et alvorlig handikap – og som trenger en spesialorganisert skolehverdag basert på det. Det er to forkjellige hensyn som her skal tas. Vi kommer til å oppsummere hva vår besøksrunde til 700 skoler har ført til, til helga. Da skal vi også ha noen gode svar når vi skal behandle meldinga til høsten. Jeg har tenkt å holde innlegget mitt litt tett opptil det som høsten. Jeg har tenkt å holde innlegget mitt litt tett opptil det som er komiteens behandling av Riksrevisjonens rapport, men jeg kan ikke la være å kommentere litt med tanke på den generelle debatten om

Det er oppsiktsvekkende store forskjeller mellom skoler og mellom kommuner når det gjelder spesialundervisning, og det henger sammen med om man lykkes i tilpasset opplæring på et tidlig tidspunkt. Det som er et tema for denne stortingsmeldingen som skal behandles til høsten, og som regjeringen akkurat har lagt fram, er at vi ser at i Norge får de yngste barna minst spesialundervisning, og de eldste barna får mest.

over, mens PP-tjenesten jobber med å utrede hva som eventuelt kan være grunnlag for et vedtak om spesialundervisning. Til denne debatten om privatskoler eller ikke: Ja, det er riktig at omfanget av privatskoler i Norge er lite. Det er rød-grønn politikk. Det er fordi vi avblåste friskoleloven og har konsentrert muligheten for å opprette privatskoler til religiøse eller pedagogiske alternativer. Hvis friskoleloven var blitt gjennomført, hvor alle kunne sette i gang og ha krav på statlig støtte, hadde det vært et helt annet omfang av privatskoler. Hovedutfordringen i et fordelingsperspektiv – og mønsteret i de landene som har store innslag av privatskoler – er at det er ressurssterke foreldre som velger privatskole. Man får en todeling, og dermed større forskjeller i utdanningssystemet. Nå kan det være ulike grunner til at en del foreldre som har barn med behov for spesialundervisning, søker seg i retning av ulike privatskoler i Norge. Misnøye med tilbudet og at man foretrekker framfor den pedagogikken som er rådende i grunnskolen, hører jeg ofte som argumenter for det. Jeg er veldig godt fornøyd med at Stortinget entydig mener at hensynet til de mest sårbare barna i norsk skole skal veie tungt. Det er ikke sånn at kommuneøkonomien skal kunne trumfe det barn har behov for i denne sammenhengen. Jeg er også fornøyd med at kontroll- og konstitusjonskomiteen er så tydelig på at man kommer til å vokte de innvendingene som er kommet fra Riksrevisjonen i dette arbeidet. Jeg tar med meg det som en viktig drahjelp i forhold til hvordan vi skal jobbe videre med dette. Spesialundervisning er en sentral elevrettighet for de barna, de elevene, som har behov for det. Det er sånn, som flere har vært inne på, at på dette området står vi overfor vesentlige pedagogiske, praktiske og administrative utfordringer. Det er nettopp derfor regjeringen Stoltenberg II i 2007 nedsatte det såkalte Midtlyng-utvalget, som fikk som mandat å gå veldig nøye igjennom det som var situasjonen: hvilken plass spesialundervisningen har i norsk skole, og hva man bør gjøre med de utfordringene man står overfor. Det er på bakgrunn av denne NOU-en, som ble levert i 2009, at vi nå nylig har lagt fram en melding for Stortinget, der situasjonen gjennomgås og tiltak foreslås. Vi kommer straks tilbake til et kapittel i denne meldingen i dag. Men hovedgrepene, og hovedinnfallsvinkelen til alt dette, handler om et sterkt ønske om å omorganisere Statped sånn at tjenestene fra Statped kommer tettere på kommunene, og at tjenestene fra PP-tjenesten kommer tettere på skolene, dvs. at den kompetansen man sitter på, skal flyttes nærmere skolene og barna som har utfordringer på dette området. Riksrevisjonens undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen, som nå er til behandling, har et faktagrunnlag knyttet til oppfølging av saksbehandlingskravene for spesialundervisning i kommunesektoren, som på mange måter gir et rimelig dekkende bilde av det som er situasjonen. Det bygger i stor grad opp under Midtlyng-utvalgets så vel som departementets eget kunnskapsgrunnlag – ikke minst resultatene fra gjennomførte nasjonale tilsyn som departementet har tatt initiativet til. Resultatene fra de nasjonale tilsynene har vært omtalt bl.a. i de årlige budsjettproposisjonene fra regjeringen til Stortinget. Det er imidlertid nyanser i faktagrunnlaget som jeg har lyst til å nevne. Når det gjelder saksbehandlingstiden i PP-tjenesten, gjennomførte Nordlandsforskning på bakgrunn av et oppdrag de fikk fra Utdanningsdirektoratet en undersøkelse om dette i 2009. Den gir et annet og bedre inntrykk av saksbehandlingstiden i kommunene enn det Riksrevisjonens undersøkelse viser. Departementet har opplyst dette til Riksrevisjonen, og det er grunn for oss til å gå nærmere inn i hva som er årsaken til at vi får ulike svar på spørsmål, selv om spørsmålene er like. Uansett er likevel saksbehandlingstiden og andre forhold som bl.a. undersøkelsen til Riksrevisjonen avdekker, viktige sider ved rettssikkerheten, noe som nødvendiggjør videre oppfølging fra departementet. Jeg vil sørge for at Stortinget blir orientert på egnet måte om oppfølgingen. Jeg har merket meg at komiteen mener departementet bør vurdere forslag om lovfesting av maksimal saksbehandlingstid. I Meld. St. 18 for 2010–2011 blir det etter en samlet vurdering konkludert med at vi ikke foreslår dette nå. Det handler om at det er vanskelig å sette absolutte frister som ikke er avhengige av nærmere vurdering i den enkelte sak. Kvaliteten på de vedtakene som skal gjøres, er altså også avgjørende viktig i forhold til det videre forløpet. Men det betyr ikke at det er fritt fram for å gjøre hva man vil. Det betyr at forvaltningsloven gjelder også på dette området. Jeg er rimelig sikker på at vi kommer tilbake til den problemstillingen også når vi skal behandle meldingen i Stortinget. Men jeg er enig med representanten Aspaker, som som står i merknadene fra en samlet komité, må fungere overfor oss og overfor kommunene som et ris bak speilet når det gjelder at Stortinget har ambisjoner om at barn skal få vedtak som er operative, og som gjør at de får den hjelpen de trenger, innenfor det som er en tremånedersfrist. Så jeg er helt sikker på at det kommer til å fungere sånn som jeg regner med at kontroll- og konstitusjonskomiteen har ment at det burde fungere. Jeg ser for øvrig av kontroll- og konstitusjonskomiteens innstilling at det er bred enighet om at det er grunn til å tro at de foreslåtte tiltakene i Meld. St. 18, Læring og fellesskap, samlet sett vil føre til et bedre tilbud for dem som trenger spesialundervisning. I meldingen foreslår vi en rekke tiltak som vil styrke tiltakskjeden: omorganisering av det statlige spesialpedagogiske støttesystemet, som jeg har vært innom, utvidelse av etter- og videreutdanning for lærere, styrking av skolens vurderingspraksis, digitalt veiledningsmateriell med maler, rutinebeskrivelser og eksempler, foreldreplakat med oversikt over rettigheter og muligheter for brukermedvirkning, og klargjøring av hva som er tillatt assistentbruk. Siden vi altså har flere muligheter til å komme tilbake til innholdet i selve meldingen, nøyer jeg meg i denne omgang med si at jeg er glad for at det er så bred enighet om disse spørsmålene i Stortinget. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 3. Etter ønske fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 4 og 5 behandles under ett. – Det anses vedtatt. Etter ønske fra kirke-, utdannings- og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

Vi har valgt å ta for oss kapittel 6 i meldingen før de øvrige kapitlene, fordi det angår organiseringen av det statlige støtteapparatet, og det har betydning allerede fra høsten av. Vi ser fram til å ta for oss resten av stortingsmeldingen i høstsesjonen. Heldigvis har vi kommet langt siden loven om «Abnorme børns undervisning» av 1881 og utskillingsparagrafene i folkeskolelovene fra 1889. Disse lovene satte barn med funksjonshemninger og barn med særskilt tilretteleggingsbehov på utsiden av den såkalte normalskolen. På den tiden var den gjengse oppfatningen at de såkalte abnorme barna ikke hørte hjemme i normalskolen, både av hensyn til skolen, som man mente ikke burde ta seg av andre enn såkalt normale barn, og av hensyn til barna, som man mente ikke ville få noe ut av å være der. Man skilte videre mellom de dannelsesdyktige abnorme barna, som fikk undervisning, og de ikke-dannelsesdyktige abnorme barna, som fikk pleie og omsorg. I dag er det et mål å ha en skole som er felles og inkluderende, og at opplæringen og undervisningen er likeverdig for alle barn, uansett utgangspunkt, og at barn, så langt det lar seg gjøre, får hjelp der de er. Saken vi behandler i dag, som bl.a. handler om organiseringen av Statped, har en viktig rolle i det arbeidet. I den forbindelse er det viktig at kommuner og fylkeskommuner, skoler og elever får likeverdig tilgang til nødvendig støtte fra Statped, og den støtten må holde høy kvalitet. komiteen ser behovet for en omorganisering av Statped. Statped skal bli en tydeligere og mer tilgjengelig tjenesteyter. De skal ha den nødvendige spisskompetansen og bidra til kunnskaps- og kompetansespredning, og de skal samarbeide med universitets- og høyskolesektoren om ivaretakelse og utvikling av ny kunnskap. Dette er mål som komiteen er enig om. Spørsmålet er hvordan målene best kan nås. Flertallet i komiteen, bestående av regjeringspartiene, viser til at Statped skal organiseres i fire regioner: Nord, Vest, Midt og Sørøst. Opposisjonspartiene er bekymret for størrelsen på region Sørøst. Dette er også en problemstilling som er drøftet i meldingen. Det er gjort en grundig helhetsvurdering av denne organiseringen. Behovet for spisskompetanse og bredde, fordelene ved å ha og det å ha et godt grunnlag for samarbeid med UH-sektoren er noe av det som er vektlagt. For øvrig vil det også være et avdelingskontor i Kristiansand, og det vil bli lagt til rette for fagmiljøer i Holmestrand og Gjøvik. Det er viktig for komiteen at fagkompetansemiljøer med høy spesialisering blir ivaretatt. Det er litt ulike meninger i komiteen om hvordan dette best kan bli gjort. Noen fagmiljøer er så små at ansvaret for disse vil bli lagt til et regionsenter som vil ha landsdekkende oppgaver på disse områdene. Så har det vært en pågående diskusjon om tilbudet til hørselshemmede elever, og det er også framlagt et representantforslag fra Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti om dette, som blir debattert samtidig. Bakgrunnen er at det er en svært liten og synkende andel hørselshemmede elever i Norge ved de statlige Vi er opptatt av at disse skal få et godt tilbud. I meldingen blir det foreslått å avvikle de statlige tilbudene i Holmestrand, Oslo og Bergen, mens skolen i Trondheim vil bli opprettholdt for å sikre tegnspråkkompetanse, utvikling av læremidler for hørselshemmede og ansvaret for norsk tegnordbok. Alle medlemmene i komiteen har fått flere henvendelser fra foreldre ved Hunstad skole og representanter for de ansatte, som har delt sine bekymringer. Det er tilbakemeldinger som vi tar på alvor. Kunnskapsdepartementet har vært i dialog med Bergen kommune og fått på plass en avtale om etablering av et kommunalt hørselstilbud, slik at elevene som har hatt tilhørighet ved Hunstad skole, vil få et godt tilbud når Hunstad blir lagt ned. Framover skal kompetansen på hørselsområdet bygges opp i alle Avslutningsvis vil jeg si at slike omorganiseringer selvsagt alltid må bli fulgt tett over tid for å sikre at man når de ønskede resultater. Jeg legger til grunn at det selvsagt også vil være tilfelle fra departementets side innenfor alle de områder som kapittel 6 angår. Hensynet til elevens læring er det som skal være i sentrum. Også disse elevene har mange muligheter, ikke bare begrensninger.

behandle denne saken, som ifølge regjeringen hastet litt, og samtidig bruke mer tid på de store, viktige utfordringene når det gjelder spesialundervisning. Senest i dag la Utdanningsdirektoratet fram Utdanningsspeilet 2011. Trenden er ikke snudd, snarere tvert imot. Vi brukte forrige skoleår 17 pst. av alle midlene i grunnskolen på spesialundervisning. På 8.–10. trinn var det 20,4 pst. En av fem kroner vi bruker i grunnskolen eller ungdomsskolen, bruker vi altså på spesialundervisning. Nå skal vi diskutere hvordan vi kan snu denne trenden når vi behandler resten av saken, men det illustrerer at det vi diskuterer nå, omorganiseringen av Statpeds tjenester, er viktig for mange for ressursbruken. Siden Utdanningsspeilet kom i dag, synes jeg at vi gjerne kan knytte en kommentar til ett punkt der, nemlig at bare 25 pst. av elevene får omfordelt tid innenfor timetallet. Det tror jeg er en av de tingene vi må se nærmere på til høsten. Når det gjelder omorganiseringen av Statped, er det slik at det er bred enighet i denne salen om at oppfølging av kommunene krever tung kompetanse – tyngre kompetanse i dag enn før – bl.a. fordi vi har ambisjoner om å nå alle barna. Derfor er vi også enige om at omorganiseringen av Statped i all hovedsak er ønskelig. Jeg synes det er litt trist at man ikke har kunnet komme til full enighet om dette. Det er to forhold opposisjonen, og Fremskrittspartiet, reagerer spesielt på. Det ene var saksordføreren inne på, Hunstad skole. Man sier at nå er det ivaretatt. Jeg er ikke enig i at det er ivaretatt i dag. Når man vet at dette er

skapt mer trygghet for disse elevene, om man hadde gjort dette i motsatt rekkefølge og startet med dialogen med Bergen kommune, startet med å sørge for at tilbudet ble etablert? Jeg er heller ikke trygg på at den løsningen regjeringen har valgt, er god nok. Jeg mener at dette er noe staten fortsatt burde hatt ansvaret for. Men slik ble det ikke. Jeg håper iallfall at statsråden er villig til å ta kritikk på den prosessen som har vært. Så til et annet forhold: Da man gjennomførte helsereformen, konkluderte man etter hvert med at Helse Øst og Helse Sør skulle slås sammen. Det trodde jeg for så vidt at alle politiske partier i dag innså var en